vil presidenten fortelle at talmannen i den finske riksdagen, Eero Heinäluoma, er på offisielt besøk i Norge. Han er til stede her i dag, på galleriet, og det er en stor glede å ønske ham og hans delegasjon velkommen til Stortinget. Vi håper at de får et interessant og hyggelig opphold hos oss, og at besøket vil medvirke til enda nærmere samarbeid mellom Stortinget og den finske riksdagen.

er ferdigbehandlet. Det er jo leit at alle forlater salen når kontroll- og konstitusjonskomiteen skal fremlegge det som har vært fremstilt som et av våre mest spennende budsjetter, i hvert fall i denne stortingsperioden, gjennom noen oppslag i en riksavis, men det skal jeg komme kort tilbake til. Kontroll- og konstitusjonskomiteen behandler i budsjettsammenheng Det kongelige hus, Stortinget, Ombudsmannsnemnda for Forsvaret, Stortingets ombudsmann for Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste, også kalt EOS-utvalget, og Riksrevisjonen. Heller ikke i 2012 er det foreslått vesentlige endringer i apanasjen til Den kongelige familie, til tross for høylytte spekulasjoner i en av riksavisene tidligere. Verken komiteens flertall eller mindretall har i innstillingen indikert at det er noen sammenheng mellom kronprinsparets Stortingets budsjett er opprinnelig foreslått økt med ca. 15,7 pst., og økningen relaterer seg særlig til delbetaling av leilighetskjøp og noen større bygningsmessige endringer utover normalt vedlikehold. Komiteen vil imidlertid vise til at Stortinget vedtok å redusere rammen til komiteen under behandlingen av finansinnstillingen, og komiteen har dekket inn denne reduksjonen ved å redusere kapittel 41 post 01 Driftsutgifter med 5 mill. kr og post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold med

Det betyr at samtlige opposisjonspartier i denne innstillingen viser til egne kuttforslag fremmet i finansinnstillingen. Budsjettet for Ombudsmannsnemnda for Forsvaret beholdes på om lag samme nivå som i fjor. Komiteen har merket seg at pågangen av henvendelser hvor nemnda gir råd og veiledning, er sterkt økende. Det er viktig at en følger med i denne utviklingen, for Ombudsmannsnemndas arbeid på dette området er veldig viktig. Stortingets ombudsmann for forvaltningen har fortsatt stor og økende pågang av klagesaker fra borgerne. Sivilombudsmannens rolle er som kjent å føre kontroll med at det av den offentlige forvaltningen ikke blir begått urett eller feil mot rikets borgere. Det er også viktig at sivilombudsmannen opprettholder et høyt aktivitetsnivå i forhold til utrettet virksomhet. Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste har et vidt arbeidsfelt og kontrollerer både den sivile og den militære etterretnings- og sikkerhetstjenesten. EOS-utvalget har over tid fått noe økning i sine budsjetter, og det skal gi rom for at utvalget kan gjennomføre flere prosjektrettede undersøkelser som et supplement til den løpende kontrollvirksomheten og inspeksjonsvirksomheten. Komiteen har også tidligere pekt på muligheten for at EOS-utvalget i særlige tilfeller kan be Stortinget om tilleggsbevilgning, på samme måte som det ble gjort da utvalget ville gjennomføre særskilte undersøkelser om metodebruken til POT i Treholt-saken. Riksrevisjonen har en viktig rolle som Stortingets kontrollorgan. Riksrevisjonens rapporter er viktige for Stortingets oppfølging av det kontrollansvaret Stortinget har overfor den utøvende myndighet. I 2012 skal nye revisjonsstøtteverktøy, nye internasjonale standarder og elektronisk saksbehandling implementeres i Riksrevisjonen. Det er lagt opp til at dette vil gjøre Riksrevisjonen mer effektiv og sikre enda bedre kvalitet under revisjon og mulighet til informasjonsdeling. Riksrevisjonens budsjett er i tråd med det fremlagte forslag. Komiteens innstilling er enstemmig, men både Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre har enkelte særmerknader. Fremskrittspartiet viser til finansinnstillingen, hvor partiet foreslo kutt i bevilgningene til partigruppestøtte med 30 mill. kr. Høyre har på sin side vist til finansinnstillingen, hvor partiet foreslår å kutte 15 mill. kr i Stortingets driftsbudsjett, 15 mill. kr i Stortingets investerings- og vedlikeholdsbudsjett og 15 mill. kr i Riksrevisjonens budsjett. Venstre har vist til sine forslag i finansinnstillingen, hvor de foreslår en reduksjon i Stortingets budsjett på 45 mill. kr i posten for kjøp av leiligheter. leiligheter. Jeg vil kort tillate meg å bytte ut komitélederhatten et øyeblikk og si litt på vegne av Fremskrittspartiet. Fremskrittspartiet har merket seg at det denne gangen er skjedd noe som i hvert fall ikke vi har oppdaget tidligere. Sivilombudsmannens opprinnelige forslag til budsjett lå nemlig 3 mill. kr høyere enn det forslaget til budsjett som sivilombudsmannen til slutt la frem for Stortingets presidentskap. Bakgrunnen for endringen skal angivelig være at presidentskapet har bedt sivilombudsmannen komme tilbake med et nytt forslag til budsjett med innstramninger i forhold til det fremlagte budsjettet. På vegne av Fremskrittspartiet vil jeg si at jeg synes dette er en uheldig måte å håndtere sivilombudsmannens budsjettforslag på, særlig tatt i betraktning at både kontroll- og konstitusjonskomiteen og det politiske miljø tidligere har vært tydelige på at den økte også må kunne reflekteres gjennom sivilombudsmannens budsjetter. Til alt overmål er altså denne korrespondansen i utgangspunktet unntatt offentlighet. Det betyr at vi ikke har tilgang, eller kjennskap, til det som i dette tilfellet har vært sivilombudsmannens opprinnelige budsjettforslag. Fremskrittspartiet har foreslått at det rettes opp i finansinnstillingen gjennom å øke bevilgningen til sivilombudsmannen med 3 mill. kr. Men jeg vil anmode presidentskapet om for fremtiden å utvise en viss varsomhet sende budsjettforslag tilbake til sivilombudsmannen – i tilfelle heller overlate til Stortinget i den ordinære budsjettbehandlingen å håndtere det. I den grad det er behov for ytterligere kommentarer – og da tar jeg plutselig på meg komitélederhatten igjen – eller begrunnelser fra de respektive partier, antar jeg at de selv vil gjøre videre rede for sine synspunkter. Utover disse merknader er komiteens innstilling enstemmig, og med dette lagt frem.

men det er også et varsko. Vi er et land som i årevis har toppet all likestillingsstatistikk, men i FNs utviklingsprogram – altså UNDPs siste utviklingsrapport – der Norge fortsatt troner øverst som verdens beste land å bo i, har vi falt ned når det gjelder likestilling mellom kjønn. Det kan mangel på kvinnelige ledere i næringslivet, eller at vi er blant de aller dårligste når det gjelder kvinner i Forsvaret. Det har i den siste tiårsperioden vært en erklært målsetting å øke kvinneandelen i Forsvaret, både blant dem som gjennomfører førstegangstjeneste, og blant andelen befal og offiserer. Flere strukturelle tiltak er gjennomført, bl.a. er det nå sesjonsplikt for både jenter og gutter – men uten merkbar endring. Nye unge kvinner kommer riktignok til, men like mange slutter etter kort tid. Kanskje det er helt andre tiltak enn de strukturelle som skal til. Kanskje er det selve kulturen og den interne kodeksen som må endres. I en innstilling fra et utvalg under Arbeiderpartiets daværende kvinnepolitiske styre fra 2003 – det begynner å bli noen år siden – kan vi lese følgende: «Forsvaret er på mange måter en mannsbastion som fremmer tradisjonelle verdier. Slik dette lukkede systemet virker, vil unge menn som i utgangspunktet både er likestillingsorientert og opptatt av bli dullet inn i en virkelighetsoppfattelse som er noe annerledes enn den offisielle Norske likestillingspolitikken. For å si det med Kristin Mile og Mona Hansen-Asp: Den mannsrollen som eksponeres i Forsvaret rimer dårlig med de forventninger samfunnet ellers stiller til moderne, likestilte menn.» De siste ukers medieoppslag har vist oss at de unge jentene – de som tør å tråkke over terskelen og si ja til å gjennomføre førstegangstjeneste – sliter både med kulturen og med machomennene blant lavere befal. Sikkerhetsrådets resolusjon 1325 fra oktober 2000 – som vi nevner i komitéinnstillingen – tar ikke bare opp kvinner som ofre i krig, og krav om at kvinner skal være med når freden og demokratiet bygges, 1325 befaler også medlemslandene å sørge for at det er kvinner både i de fora som fatter sikkerhetspolitiske beslutninger, og i de væpnede styrkene. Vi vet at mannlige offiserer ikke kan følge afghanske kvinner til skole eller jobb, eller for den saks skyld kommunisere med kvinnelige flyktninger i Tsjad om sanitære artikler. Vi må rett og slett ha jenter der. Men da må vi sørge for at det er mulig for jenter, ikke bare å gå inn i Forsvaret, men faktisk å bli der. Derfor har komiteen også bedt Forsvarets ombudsmann om å gi en nærmere redegjørelse for henvendelsene fra jentene i sin neste ordinære rapport. ordinære rapport. Komiteens leder presenterte innstillinga på en svært grei måte. Jeg skal derfor bare ha et kort innlegg. Ved statsbudsjettets behandling i finanskomiteen førte det til en beskjeden justering og forbedring av budsjettet. Det skjedde ved at det reduksjon på 30 mill. kr på bevilgningen til Stortinget. Det beløpet er ikke stort, men det er et signal om en noe større sparsommelighet i Stortingets virksomhet. Ikke minst er det et viktig signal inn i ei tid hvor større jordnærhet vil måtte prege samfunnet fra topp til tå – når det gjelder bruk av penger. Kort til slutt: Stortinget bevilger Kronprinsens apanasje. Kronprinsens apanasje er et årlig budsjettspørsmål, slik det er i vårt demokrati. Apanasjen skal stå i forhold til det ansvar og oppgaver Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen til enhver tid har. veldig glad for at vi har et slikt system, at Stortinget hvert år gir beskjed om hvilke rammer Kongehuset, og Kongen og Kronprinsen har i vårt demokrati. Det er ikke for å markere den litt uvanlige alliansen mellom Høyre og Lundteigen i

til komiteens leder i det øyeblikket han tok av seg komitélederhatten og anmodet presidentskapet om ikke å behandle saker som gjelder de stortingsoppnevnte organer. Til det kan jeg si at den anmodningen vil jeg for min del iallfall ikke følge, for det at noen organer ikke får de penger de ber om, er faktisk ganske vanlig. Hvis man summerte hva alle underliggende organer under regjeringsapparatet ber om av penger, ville man

derfor er saksbehandlingen her annerledes. Da går på en måte presidentskapet inn og tar departementets rolle og behandler disse søknadene. Det er absolutt ikke uvanlig at det skjer en dialog som gjør at det disse administrasjonene for EOS-utvalget, for Riksrevisjonen, for ombudsmennene, ber om, ikke blir imøtekommet. Det er en helt vanlig prosedyre, og i den tid jeg har sittet i presidentskapet, har sittet i presidentskapet, har det også vært det vanlige. Så med andre ord, det at man ikke får det man ber om, er mer praksis enn det er unntaket. Slik bør det også være, for den sparsommelighet som skal prege denne forsamling ved vedtakelsen av et budsjett, skal også prege Stortingets behandling av de organer vi bevilger til. Så en slik anmodning om å gi det man ber om, vil jeg for min del ikke følge. Denne praksis har vært slik under skiftende presidentskap, også i alle de perioder hvor Fremskrittspartiet har vært godt representert i Stortingets presidentskap. Det blir replikkordskifte. Anders Anundsen ønsker ikke replikk? Nei, jeg ønsker innlegg. Anders Anundsen ønsker da ordet til innlegg og ikke til replikk, og presidenten vil oppfordre representantene til å bruke det elektroniske systemet for å be om taletid, eventuelt replikk. Neste taler er Hallgeir H. Langeland. Eg har brukt det elektroniske systemet, og det verkar. Saksordføraren har på ein grei og god måte lagt fram komiteens innstilling, og eg vil òg seia at dei innvendingane som kom med omsyn til sivilombudsmannen, må me sjå nærmare på neste år for å diskutera om det som komiteens sa, med hatten av, er realitetar. Ein kort kommentar til dette med apanasjen, som blei eit tema i diverse media knytt opp mot ein merknad som Senterpartiet foreslo, og som SV ikkje hadde noko problem med å slutta seg til – nemleg at ein skulle kutta noko i apanasjen i år – men som likevel ikkje blei teken inn i innstillinga. Det er jo klart at for SV, som eit republikansk parti, er det heilt naturleg å

og heller prioritera politikkområde som det er viktigare for SV og regjeringa å vere opptekne av. Det er grunnen til at me ikkje foreslår kutt i apanasjen. Presidenten vil bare bemerke at det er ingenting som heter «Det kongelege norske arbeidarparti», og det vet sannsynligvis representanten Langeland meget godt.

og var relativt belærende i måten han forklarte hvordan man behandler budsjetter fra Stortingets egne organer på. Det er det ikke behov for. Det er jeg relativt godt kjent med, og hvis representanten Foss hadde fulgt nøye med, sa jeg at presidentskapet bør være tilbakeholden med å be om nye budsjetter fra sivilombudsmannen, i lys av de signaler kontroll- og konstitusjonskomiteen og Stortinget tidligere har gitt, hvor det akkurat har vært pekt på på grunn av den økende saksmengden til sivilombudsmannen kan være behov for økte budsjetter. Det er da fulgt opp fra sivilombudsmannen side, og jeg er veldig glad for at saksordføreren i komiteen for sivilombudsmannen nå meddeler at han vil se nærmere på denne problemstillingen i forbindelse med behandlingen av neste budsjett. Det ser jeg frem til. Med fare for å virke belærende er

å fastsette et budsjett som begge parter så til slutt er blitt enige om. Det er den samme prosedyre som foregår mellom et departement og underliggende organer. Vi kan se at her sitter det jo to statsråder som har betydelig underliggende organer, og som jeg er helt sikker på har ønsket mer penger enn det de fikk i budsjettet. budsjettet. Den korrespondansen er heller ikke undergitt offentlighet. Den praksis følges også i Stortinget. Jeg tror både representanten Foss og jeg kan være enige om at regjeringen ikke er så flink til å følge signaler, men jeg må si at jeg forventer at Stortingets presidentskap klarer å følge signaler som står i innstillingen. Flere har ikke

overgrepet i håp om at de kan legge det bak seg. Internasjonale undersøkelser konkluderer samstemmig at voldtekt er en sterkt traumatiserende hendelse. En undersøkelse av kvinner i voldtektsmottak viste at to uker etter voldtekten oppfylte hele 72 pst. kriteriene for diagnosen akutt stressforstyrrelse – ASD, kjennetegnet ved uvirkelighetsfølelse, gjenopplevelse, tilbaketrekning og økt vaktsomhet. 27 andre kvinner ble undersøkt tre måneder etter overgrepet. 56 pst. av disse oppfylte kriteriene for diagnosen posttraumatisk stresslidelse – PTSD, og hele 33 pst. manglet bare ett symptom for å få diagnosen. To store amerikanske studier har sett på forekomsten av posttraumatisk stresslidelse og hvilke traumer som oftest fører til utvikling av denne lidelsen. Man fant at blant menn så vel som blant kvinner var voldtekt en traumatisk opplevelse som oftest førte til utviklingen av posttraumatisk stresslidelse. 32 pst. av dem som hadde eller hadde hatt posttraumatisk stresslidelse i løpet av sitt liv, hadde vært utsatt for en fullbyrdet voldtekt. Ytterligere 31 pst. av dem som hadde eller hadde hatt posttraumatisk stresslidelse i løpet av sitt liv, hadde vært utsatt for andre seksuelle overgrep. Undersøkelsene jeg viser til, er laget av forskerne Elklit, Magnusdóttir og Knudsen, samt Barlows «Clinical Handbook of Pscyhological Disorders», publisert i 2008. Når jeg bruker tid innledningsvis til å beskrive voldtekt som den alvorlige integritetskrenkelsen den representerer, er det ikke fordi det er politisk men for å minne oss selv om at voldskriminalitet ikke er en sak blant mange, men et samfunnsonde som må bekjempes for at vi i det hele tatt skal kunne si at vi lever i et godt og trygt samfunn. Vi får aldri utryddet kriminalitet fullt ut og dermed heller ikke voldtekter. Men vi må spørre oss om vi gjør nok, og om det vi gjør, virker. En sammenligning med andre skandinaviske hovedsteder gir oss et grunnlag for å mene noe om det. Ifølge NRK viser nye tall fra politidistriktene i de to nabolandene våre at de 48 overfallsvoldtektene i Oslo hittil i år sender byen til topps sammenlignet med København og Stockholm. Folketallet tatt i betraktning har Oslo 7,9 anmeldte voldtekter per 10 000 innbyggere, mens Stockholm ligger 20 pst. lavere og København Nå kan dette variere litt fra år til år, men over en tiårsperiode har antallet anmeldte voldtekter i Oslo økt med over 84 pst. Bare de siste tre årene har økningen vært på over 20 pst., mens trenden i våre to nabohovedsteder er fallende prosenttall. I dag ble vi møtt med morgennyheter som fortalte om problemet gjengvoldtekter. Jeg tror vi alle er enige om at voldtekt må bekjempes på bred front. Forebyggende arbeid i skolen, innsats overfor nyankomne asylsøkere og arbeidsinnvandrere, det at vi opplyser våre byrom og at noen går natteravn, er noen eksempler på hvordan man også mobiliserer det sivile samfunn. Men det er ikke det som er temaet for denne interpellasjonen. Det dreier seg om en utvikling av overfallsvoldtekter i Oslo politidistrikt, som etter mitt og mange andres skjønn har kommet ut av kontroll. Min utfordring til statsråden handler om hennes ansvarsområde. Hvordan kan hun som leder for landets justissektor bidra? Grunnen til at jeg understreker at det er statsrådens ansvarsområde vi skal diskutere i dag, er at hennes forgjenger hadde en tendens til å trekke inn alle andre tiltak enn dem han selv hadde ansvar for, når vi diskuterte dette. Vi har nå, etter mitt skjønn, behov for følgende beskjed fra landets justisminister: Jeg har ansvaret for kriminalitetsbekjempelsen i Norge, og det nytter å gjøre en innsats. La meg antyde noen løsninger. Polititjenestemenn og -kvinner i Oslo gjør en god jobb, gitt de rammebetingelsene de er underlagt. Det er ikke deres skyld at de er underbemannet. Det er ikke deres skyld at man har halvert antallet patruljerende politimannskaper siden 1987. Erfaringsmessig vet vi at 80 pst. av kriminaliteten utøves av 20 pst. gjengangere, lovbrytere som har overtrådt rettsreglene på andre områder. Derfor har jeg tro på at det går an også å ha en målrettet innsats for å bekjempe voldtekter. Vi må være villig til å gå inn på et deltema som kanskje ikke alltid er politisk korrekt, og som av og til utnyttes av politiske sidehensyn, nemlig det faktum at gjerningspersoner med ikke-norsk bakgrunn står for 65 pst. av voldtektene og således er sterkt overrepresentert i statistikken. Rask hjemsendelse av personer uten lovlig opphold er viktig også i denne sammenheng. Voldtektsutvalget leverte sin innstilling i januar 2008. Regjeringen skulle hatt mer enn tilstrekkelig tid til å overveie de tiltakene som der ble anbefalt som nokså treffsikre. Jeg ser av avisene at statsråden har tatt til orde for en handlingsplan, men mitt parti, Høyre, har allerede fremmet en rekke konkrete forslag til handling. Jeg vil nevne noen: Frivillig politi: Sivile gis egnet opplæring og fungerer som en form for forsterket vektertjeneste – en avhjelping av manglende politikraft i en overgangsperiode. Bedre bruk av sivilt ansatte i politiet vil frigjøre mannskap til politioppgaver og gi synlig tilstedeværelse. Tiltak for å beholde seniorene i politiet lenger i arbeid gir mer politikraft og gir mer politikraft og bedre muligheter for kunnskapsoverføring internt i organisasjonen. Bruk av «second opinion» til DNA-analyser: For tiden er det en lang rekke sporprøver som det ikke finnes DNA-materiale på. Disse bør sendes til ny analyse ved et annet laboratorium. Høyre ønsker at denne virksomheten skal konkurranseutsettes for å sikre best mulig kvalitet til lavest mulig pris. Bruk av anerkjente private laboratorier, akkreditert av Rettsmedisinsk institutt, som kan gi svar i løpet av tre til fem dager, der de offentlige bruker måneder, og hvor det har vært ventetid på opptil seks måneder. Dette er jo også avgjørende for å få den kvaliteten på etterforskningen som gjør det mulig å iretteføre og dermed oppklare og straffeforfølge flere overgrep og få straffet Jeg ser frem til den etterfølgende debatt. Voldtekt er

Styrket politiinnsats og holdningsskapende arbeid er vesentlig i det forebyggende arbeidet. Forebyggende innsats mot voldtekt krever også samarbeid. Det er viktig å videreutvikle og koordinere en bred, helhetlig innsats mellom politiet og kommunen, og mellom offentlig, privat og frivillig sektor. Regjeringen har vektlagt politiråd som en viktig kriminalitetsforebyggende arbeidsform. Politiråd er et samarbeidsforum på strategisk nivå der kommunen trekkes inn i det forebyggende arbeidet sammen med politiet. Som spørsmålsstilleren er inne på, er dette gjort i Stavanger med godt resultat. Det har også vært positivt å se at det er flere enn politiet som bidrar for å ta Oslos gater tilbake, bl.a. gjennom et stort antall natteravner og gjennom Oslo byråds tiltak, Regjeringen har over lengre tid styrket arbeidet for å bekjempe voldtekt. Det omfatter tiltak for å bedre etterforskningen, domstolsbehandlingen, hjelpetiltak etter voldtekt, og forskningen, i tillegg til forebygging. Vi er i ferd med å utarbeide en statusrapport for tiltakene som ble foreslått av Voldtektsutvalget, som vil bli lagt ut på regjeringens hjemmeside. Statusrapporteringen vil danne et godt grunnlag for det videre arbeidet. Jeg vil understreke at det allerede gjøres mye for å bekjempe voldtekt, og dette arbeidet fortsetter. I tillegg intensiverer vi innsatsen i Oslo i forbindelse med den situasjonen vi har hatt i den senere tid. Politiet spiller en vesentlig rolle i det trygghetsskapende arbeidet. Fra og med helgen 4.–6. november har innsatsen i Oslo i helgene vært betydelig styrket med tilnærmet en fordobling av antall polititjenestemenn ute i gatene. I tillegg bidrar Utrykningspolitiet med bilpatruljer. Vi skal ha et synlig politi som ivaretar befolkningens behov for trygghet, og under denne regjeringen har politi og påtalemyndigheten fått tilført betydelige ressurser. Voldtektssaker er utfordrende å etterforske og I kjølvannet av de mange voldtektene i Oslo den senere tiden har politimesteren i Oslo opplyst at volds- og sedelighetsseksjonen i Oslo blir styrket med ti nye stillinger, for å bedrive etterforskning og analyse. Kvalitet og kompetanse i etterforskningen er nødvendig for å øke oppklaringsprosenten. Økt oppklaringsprosent er også nødvendig for at straffereaksjonen skal virke preventivt. Vi har etablert en voldtektsgruppe i Kripos som skal arbeide mot seksualisert vold. Regjeringen har foreslått fire nye stillinger i budsjettet for 2012, slik at det totalt vil bli 16 stillinger i denne voldtektsgruppen. Gruppen er blitt et viktig nasjonalt fagmiljø for informasjons- og kompetansedeling når det gjelder voldtekt. Den bidrar til økt kvalitet på etterforskningen og raskere oppklaring av voldtektssaker ute i politidistriktene, og den vil ved behov kunne For å forbedre kvaliteten på politiets og påtalemyndighetens behandling av slike saker ga riksadvokaten i februar 2008 også nye påtalemessige direktiver, herunder at det rutinemessig vurderes opptak av lyd og/eller bilde av fornærmedes politiforklaringer i voldtektssaker. Det fremgår også av riksadvokatens instruks om mål og Riksadvokaten har videre gjennomført et fagseminar for politi og påtalemyndighet om bevisvurdering og aktorering i voldtektssaker. Etterforskningsarbeidet er også styrket ved at Kripos har utarbeidet en nasjonal tilgjengelig elektronisk dreiebok for etterforskningen i voldtektssaker. DNA-reformen, som har åpnet for at også mindre alvorlig kriminalitet kan vil bidra til å identifisere lovbrytere så tidlig som mulig. Svært mange av dem som blir dømt for alvorlige lovbrudd, har tidligere blitt dømt for mindre alvorlig kriminalitet. Erfaringen etter DNA-utvidelsen i Danmark er at flere voldtektssaker av eldre dato er oppklart fordi gjerningsmenn siden siktes for ny kriminalitet og i den forbindelse blir DNA-testet. Det er svært god kapasitet for analyser av og jeg er glad for å kunne fortelle at restansene er nedarbeidet. I dag er grensen for å bli registrert i DNA-registeret dom på 60 dagers fengsel. Vi vil vurdere å senke denne grensen, slik at det tas DNA-prøve også av dem som blir dømt for mindre alvorlig kriminalitet, noe som kan bidra til flere oppklaringer. Dette må imidlertid vurderes nøye og bl.a. veies opp mot viktige personvernhensyn. En forutsetning for at etterforskning kan iverksettes, er at ofre for voldtekt anmelder overgrepet. Et viktig bidrag for å øke anmeldelseshyppigheten er å sørge for at den som kommer til politiet, møtes med empati og profesjonalitet. I den sammenheng er familievoldskoordinatorene i samtlige politidistrikt vesentlige. Familievoldskoordinatorfunksjonen skal være en 100 pst. stilling, og har fått utvidet sitt mandat til også å omfatte seksuelle overgrep. I de større distriktene er det etablert egne team. Det er igangsatt en omfattende evaluering av politiets arbeid med vold i nære relasjoner som vil gi innspill til hvordan vi kan styrke innsatsen ytterligere. Ordningen med familievoldskoordinator og team inngår som en sentral del av evalueringen. Evalueringsrapporten vil foreligge i juni neste år. God og målrettet forebygging krever kunnskap. kunnskap. Det gjennomføres nå fire studier om henholdsvis forekomst av voldtekt og kjennetegn ved voldtektsmenn. Jeg vil også trekke fram Oslo politidistrikts voldtektsrapport for 2010, «Voldtekt i den globale byen. Endringer i anmeldte voldtekter og seksualkultur i Oslo». Rapporten er utarbeidet for å danne grunnlag for politiets forebyggende arbeid mot voldtekt. Oslo politidistrikt har lagt fram en strategiplan på bakgrunn av rapporten som vil bli etterfulgt med forslag til tiltak. Jeg vil også minne om at før vi kan konkludere i forhold til økningen av antall overfallsvoldtekter, må det foretas en analyse av tallgrunnlaget, med samme metoder og grundighet som lå til grunn for fjorårets tall. Det er også grunn til å understreke at den største andelen av voldtekter skjer mellom personer som kjenner hverandre. Det skjer i parforhold, i hjemmet, i nære relasjoner. Festrelaterte situasjoner med høyt alkoholkonsum er en arena hvor kvinner er særlig utsatt ifølge voldsrapporten for Oslo for 2010. Av de 189 voldtektene og voldtektsforsøkene som ble anmeldt i Oslo i 2010, utgjør overfallsvoldtektene 12,9 pst. Hvis definisjonen av voldtekt og strategiene for å forebygge og følge med overfallsvoldtekt, blir fokus for snevert, og vi vil bare i begrenset grad kunne lykkes med arbeidet. Vi skal styrke vårt arbeid mot voldtekt. Vi vurderer å nedsette en interdepartemental arbeidsgruppe som skal utarbeide en egen handlingsplan mot voldtekt. I arbeidet skal det bl.a. tas utgangspunkt i hvilke utfordringer som gjenstår fra Voldtektsutvalgets utredning fra Voldtektsutvalgets utredning Fra ord til handling, fra 2008, og det vil være en målsetting å gjøre opp status i forhold til hvilke tiltak som ikke er iverksatt og hvordan nødvendige og gode tiltak kan gjøres så målrettede og effektive som mulig. som mulig. Statsråden var i sitt innlegg inne på at hvis fokus blir for snevert, vil man ikke nå sine mål innenfor bekjempelse av voldtekt. Jeg tror denne regjeringen har hatt altfor bredt fokus på hva den driver med. den driver med. Den har altså overskudd til å ha en oppfatning av hvordan familiene skal innrette sin hverdag, hvordan de skal fordele foreldrepermisjonen, hvordan hjemmeværende fedre i permisjonsperioden i forbindelse med nyfødte barn skal organisere samværet med andre fedre i samme situasjon. Det er altså et for bredt fokus i forhold til alvorlige samfunnsproblemer som voldtekt. Jeg er enig i at det ikke bare er overfallsvoldtekter. Men de har faktisk en sammenheng med en annen type kriminalitet, nemlig det vi ser her i byen – at områder hvor det finner sted overfallsvoldtekter, også er de mest belastede når det gjelder vanlige ran og grove ran. Hvis man også interesserer seg for den siden av det politimessige arbeidet,

i denne sakstypen, og at dette utgjør en del av et større problem. Det betyr også at man rett og slett har problemer med å få ferdigbehandlet sakene og få dem iretteført. Det får selvfølgelig også betydning for med hvilken kraft og forebygging justissektoren nærmer seg dette feltet. Voldtekter er

statsråd
feltet. Voldtekter er alvorlig kriminalitet og et samfunnsproblem. Jeg prøvde å få fram bredden i de tiltak regjeringen har iverksatt for å bekjempe dette. For å kunne forebygge voldtekt er det også helt avgjørende at man får til et godt samarbeid på tvers, mellom etater, myndighetsnivåer og frivillige organisasjoner. Jeg kjenner meg ikke igjen i bildet som ble forsøkt tegnet av manglende fokus. Det er ingen regjeringer som har hatt sterkere fokus på innsatsen mot voldtekter og vold i nære relasjoner, og hvor det er gjort et systematisk arbeid over flere år. Vi skal oppsummere hvor vi er, i kjølvannet av den NOU-en som ble lagt fram i 2008, som jeg sa. Når det insinueres at tiltak ikke er fulgt opp, har jeg lyst til å påpeke at det har vært en diskusjon om hvorvidt det var å oppfylle utvalgets forslag da man etablerte voldtektsgruppen ved Kripos, framfor å etablere en sentral, egen enhet mot seksualisert vold. Min erfaring fra denne sektoren er at for et fagmiljø å kunne trekke på den brede analyse og etterforskningskapasiteten som ligger i et miljø som Kripos, rett og slett gir en slik voldtektsgruppe større kraft enn om man hadde etablert den på egen kjøl. Det er også sagt en del om antall anmeldelser og antall voldtekter. Jeg er glad for å se at antall anmeldelser øker. Jeg tror det er med på å gjøre det usynlige synlig, og at når vi har hatt en økning i antall anmeldelser på 500 pst. siden 2006, tror jeg ikke det nødvendigvis speiler den reelle økningen i antall voldtekter, men at jentene/kvinnene tør å komme fram. Og så må vi vite at det er et godt tilbud både i politiet og i helsevesenet med sikte på å kunne hjelpe og iretteføre den alvorlige kriminaliteten som har funnet

fullbyrdede voldtekter og forsøk på overfallsvoldtekter, mens hun mente at praksisen var annerledes i København og Stockholm. Men det reduserer som sagt ikke det dramatiske alvoret i situasjonen. Jeg merket meg at det i interpellasjonen sto at det var viktig å lære av erfaringene i Stavanger. Vi i justiskomiteen har besøkt Stavanger, og der var det nettopp samspillet mellom kommune, politi politi og alle frivillige som kunne stille opp, de viste til som hovednøkkelen. Når interpellanten går så sterkt ut og sier at han bare vil diskutere statsrådens ansvar og ikke diskutere samspillet, overrasker det meg litt. I mitt arbeid med dette i Oslo har jeg hele veien understreket at det er viktig at vi nå slutter å anklage hverandre, men prøver å stå opp sammen mot et fenomen som ikke diskutere samspillet, overrasker det meg litt. I mitt arbeid med dette i Oslo har jeg hele veien understreket at det er viktig at vi nå slutter å anklage hverandre, men prøver å stå opp sammen mot et fenomen som ingen andre enn gjerningsmennene har skylden for. Den mobiliseringen vi nå har sett i Oslo, den positive holdningen, hvor kommunen har stilt opp med sine etater, hvor politiet har doblet sine ressurser på gaten – vi har sett mange flere av dem – hvor frivillige har stilt opp som natteravner og annet, og har vært til stede på en helt annen måte, skaper en stemning om at nå

Den andre erfaringen vi fikk fra Stavanger og også fra da vi besøkte Bergen, var at etterforskningsmetodene til politiet er avgjørende. Et eksempel på det fra Bergen er at man kombinerte bruk av DNA-register med lagring av trafikkdata. Overfallsvoldtekten var foretatt på et sted, og så sjekket man med basestasjonene hvem som hadde oppholdt seg i nærheten av det stedet, ved hjelp av lagrede trafikkdata. Så inviterte man dem som hadde oppholdt seg i området, til å avlegge DNA-prøve. På den måten kombinerte man to avanserte etterforskningsmetoder og fant gjerningsmannen. Jeg tror derfor at det som statsråden trekker opp: å utvide DNA-registeret og gjøre det mer omfattende, vil gi større mulighet for å oppklare disse sakene, som er veldig vanskelige å arbeide med for politiet. Jeg tror at det omfattende, vil gi større mulighet for å oppklare disse sakene, som er veldig vanskelige å arbeide med for politiet. Jeg tror at det også vil ha andre forebyggende effekter, fordi en kriminalitetskarriere ofte begynner med mindre ting, og da vil man kunne få stoppet lovbryterne på et tidligere stadium. Jeg synes det er et godt spor statsråden er inne på der. fjor så Stortinget seg nødt til å gripe inn – det tar tid før den nye straffeloven av 2005 blir iverksatt – og fremme en egen sak om økning av straffenivået og strafferammene, og vedta den her på Stortinget. Derfor er jeg litt bekymret for en rekke saker i media i det siste, hvor det er uklarhet rundt straffenivået ved domstolene. Eksempelvis var en som var dømt for en serie grove overfallsvoldtekter, hvor det var flere personer involvert – og jeg understreker en serie voldtekter – dømt til 15 års forvaring av tingretten og lagmannsretten. Høyesterett gikk inn og satte den ned til 12 år. Et annet eksempel er at Oslo tingrett hadde dømt en person for voldtekt til tre år og seks måneder, mens lagmannsretten gikk inn og satte den ned til ett år. Et tredje eksempel er i Drammen, hvor statsadvokaten hadde påstand om seks år, Jeg skal ikke gå inn i de enkelte sakene, det er vel å merke ikke vår oppgave her på Stortinget, men jeg vil bare uttrykke en bekymring for at vi, etter å ha understreket straffenivået i voldtektssaker så mye, ser at det er uklarheter ved domstolene, og at praksisen ikke har lagt seg i et klarere leie. leie. Antall voldtekter har økt kraftig det siste året, ikke bare i Oslo, men også i flere andre større byer i Norge. I løpet av året har det kommet melding om at politiet i Oslo og i Trondheim har lagt bort flere hundre saker som omhandler overfallsvoldtekter og andre seksuelle overgrep. Men fakkeltog og festtaler hindrer ikke overfallsvoldtekter. Vi trenger handling, vi trenger helt konkrete tiltak, og vi trenger dem kjapt. Som foregående taler sa, var justiskomiteen i september på komitéreise til Rogaland og fikk dyptgående informasjon om hva som fungerte, og hva som ikke fungerte da Stavanger by for to år siden hadde et meget høyt antall overfallsvoldtekter. Noen av disse tiltakene har knapt blitt nevnt i den offentlige debatten, men jeg kommer inn på disse senere i dette innlegget. Det fantes altså mange ulike tiltak som ble igangsatt. Disse tiltakene bør ikke være ukjente for justisministeren. Videre la Voldtektstutvalget, under ledelse av Rita Sletner, fram sin rapport allerede i 2008. Der pekte hun på en rekke gode forslag som ville kunne bidratt til å få ned antall overfallsvoldtekter, men dessverre ser vi at bortimot ingen av disse forslagene er blitt igangsatt. En kan vel si det så sterkt at de er blitt lagt i en skuff og siden blitt liggende der. DNA er en viktig beviskilde i voldtektssaker. Tjenestefolk i politiet snakker ofte om viktigheten av å jobbe med etterforskning mens bevisene fortsatt er ferskvare. Dette gjelder i særdeleshet biologiske spor. Justiskomiteen har flere ganger i denne sal diskutert problematikken rundt monopolet til RMI, Rettsmedisinsk institutt, og de problemene det medfører med lang ventetid og lang saksbehandlingstid. Nå hørte jeg at justisministeren mente at restansen var bygd ned. Jeg kan ikke se at det er helt korrekt, men jeg håper i alle fall at det er bedre enn det har vært, og det ser det ut til. I mangel på varetektsplasser ser vi at potensielle gjerningsmenn slippes fri i påvente av svar på en DNA-analyse. De får dermed en sjanse til å stikke av eller begå Vi trenger nyansert informasjon om hvem som begår disse voldtektene, og hvorfor. Et forslag er at vi legger alle fordommer til side og analyserer presist det vi tror vi vet: Nesten ingen etniske nordmenn gjennomfører overfallsvoldtekter. Noen få personer står bak mange overfallsvoldtekter. De er ikke-vestlige, men ikke nødvendigvis med illegalt opphold i riket. Ofrene er alene, og enkelte områder i byene er mer utsatt enn andre. I år har det vært 48 registrerte overfallsvoldtekter i Oslo. Politiet har tatt syv gjerningsmenn. Alle har ikke-vestlig bakgrunn. Det er bred politisk enighet om at voldtekt i bunn og grunn handler om holdninger og om mangel på respekt og empati for andre mennesker. Vold, voldtekt og overfallsvoldtekter hører sammen. Det er store mørketall, særlig i nære relasjoner, og jeg trenger vel heller ikke si at vold er et vel så stort problem sett i sammenheng med disse holdningene. Våre krisesentre rundt om i landet er i stort flertall fylt opp med kvinner og barn med utenlandsk bakgrunn. Politiet i Stavanger tok i bruk utradisjonelle metoder for å bekjempe overfallsvoldtekter. De trykte bl.a. opp en egen infobrosjyre på ulike språk om norsk kultur og norske regler som ble fordelt på steder hvor mange med utenlandsk bakgrunn ferdes. De tok kontakt med imamer for å opprette en dialog om tiltak og behov for informasjon ut til miljøet. De trykte opp ark med informasjon og etterlysning av gjerningsmenn på flere språk og fordelte disse ut i restaurant- og diskotekmiljøet. Og de igangsatte egne kurs i regi av introduksjonsprogrammet med større fokus på norske forhold og kvinners rettigheter. Resultatene taler for seg fra godt over 20 voldtekter og ned til null på kort tid, det klarte de å få til i Stavanger. Den tidligere justisministeren karakteriserte voldtekt som nestendrap. Jeg er overbevist om at den nye justisministeren deler dette synet. Stortinget får snart to representantforslag som omhandler overfallsvoldtekter, ett fra Venstre og ett fra Jeg forventer at regjeringen benytter sjansen og stemmer for flest mulig av disse forslagene. Jeg vil starte med å oppklare en åpenbar misforståelse. Høyre er forslagene. Jeg vil starte med å oppklare en åpenbar misforståelse. Høyre er ikke kritisk til regjeringens fokusering på vold i nære relasjoner. Der har vi faktisk skrytt av den forrige justisministeren, Storberget, for å ha et enormt fokus. Han er en av de få som har tatt det opp. Men tema i dag er altså voldtekt i mer fjerne relasjoner i forhold til statsrådens ansvar. Nylig møtte jeg en ung mann som ble utsatt for en grov voldtekt da han var 14 år. I flere år gjorde han alt han kunne for å holde det inni seg. Det han sa, var: Jeg vil bare greie å sove, greie å få meg en utdanning og ikke være så sint. Det var det han hadde av meldinger til oss – om vi kunne hjelpe ham med det. Voldtekter kommer til å skje, og vi må som samfunn greie å forebygge. Det er det som er tema i interpellasjonen i dag. Men når skaden først har skjedd, må vi også som samfunn greie å fange opp symptomene som ulike voldtektsofre har. Noen endrer veldig oppførsel, noen oppfører seg ikke som det perfekte offer og ligger i fosterstilling, som de som har sett det på film, tror de skal gjøre. Noen blir seksuelt utagerende, noen blir veldig aggressive, og noen virker ekstremt sterke og tøffe fordi de ikke har lyst til å være et voldtektsoffer. De er voldtektsutsatte, men ser seg ikke selv som et offer. Det stiller noen krav til hjelpeapparatet og politiet som skal møte dem, flere av dem som hjelpeapparatet møter, tenker ikke at det er det som er problemet. Gutten jeg snakker om, hadde gått hos psykolog i to år. Psykologen visste etter to år altså ikke at han hadde vært utsatt for en grov voldtekt. Det sier noe om at en profesjonsutdanning ikke nødvendigvis kvalifiserer til å hjelpe personer med det som er årsaken I to uker har debatten om overfallsvoldtektene nærmest overskygget alt annet. Nå er kameralyset slukket litt igjen, og det jeg er redd for, er at det sitter en hel gjeng med ofre og utsatte igjen som nå føler at de er glemt. Nå har stort sett de fleste vært kjempesinte, veldig engasjert i spørsmålet, og nå sitter stort sett de spesielt interesserte igjen og diskuterer hva man kan gjøre for å forebygge og for å hjelpe dem som er Gutten jeg møtte, vil ikke anmelde. Det orker han ikke. Han vil bare ha hjelp til å sove og hjelp til å greie å få seg en utdanning, etter at en idrettskarriere ikke blir noe av fordi han ikke greide å dusje sammen med de andre gutta. Det er situasjonen for dem som er blitt utsatt for voldtekt. Så over til det som er hovedtema for interpellanten. Det er bevisst valgt, fordi det er riktig som interpellanten sier, at vi har hatt en justisminister som har snakket om veldig mye forskjellig – veldig mye viktig, veldig mye bra – men veldig sjelden om det som har vært kjernen i problemstillingen, nemlig justisministerens eget ansvar. Politidekningen har de siste årene gått ned i 21 av politidistrikter. Når bemanningen går ned i forhold til innbyggertall, er forebygging og ikke minst fokus på sedelighetsforbrytelser ikke nødvendigvis det som prioriteres høyest internt i et politidistrikt. Neste år vil politidekningen antakeligvis kunne gå ned i forhold til befolkningsøkningen, og det i strid med Stortingets forutsetninger. Det er også ubegripelig at regjeringen ikke vil bruke andre til å analysere DNA. Man bruker ideologiske argumenter – det er greit men hadde man vært ideologisk, hadde man ikke brukt private firmaer til å drive bevisinnhenting på langt mer inkriminerende ting, som f.eks. innholdet i mobiltelefoner, datamaskiner osv. Det er langt mer alvorlig hvis man mener at man er personverninnstilt, som er det regjeringen bruker som argument, mot å bruke for eksempel GENA i Stavanger. Det foreligger ingen sentral strategi for bedre bruk av sivilt ansatte, og politiet er ikke på jobb når det skjer mest kriminalitet i mange politidistrikter. Det er heller ingen dedikert person i Politidirektoratet som holder en hånd over det som handler om å bekjempe sedelighetsforbrytelser. Når det gjelder overgrep i minoritetsmiljøer, har jeg som styremedlem i noe som heter Skeiv verden, en rimelig sterk tvil om at de i det hele tatt har kompetanse i Oslo-politiet til å jobbe mot voldtekt og overgrep i minoritetsmiljøer, ut fra de tilbakemeldinger jeg får. Spørsmålet er om det med gruppen i Kripos blir som med rammeoverføringene til kommunene, at det er noe som vil vare noen år, for så å bli innlemmet i det vanlige driftsbudsjettet, og så faset ut eller ikke få prioritet. Det er et åpent spørsmål, det gjenstår å se. Til slutt: Jeg er enig med representanten Bøhler i at vi er nødt til å se på straffenivået igjen. Også Høyre reagerer kraftig på den høyesterettsdommen, for man kan lure på hva som skal til for å bruke strafferammen fullt ut, når så grove voldtekter begås. Det tror jeg mange oppfatter som en hån mot samfunnet og ofrene for øvrig. Jeg vil takke interpellanten for å ta opp et viktig spørsmål. Det er et spørsmål som alle kvinner kjenner på kroppen, jeg mener er blant de viktigste spørsmål nasjonalforsamlingen kan debattere. Som mange har vært inne på, er det at noen invaderer kroppen din med vold eller annen tvang, noe av det mest krenkende et menneske kan oppleve. Jeg synes justisministeren sa det presist da hun sa det var en krenkelse av menneskeverdet. Overfallsvoldtekter skiller seg fra andre voldtekter på et par For det første er de generelt sett langt mer voldelige enn andre voldtekter. For det andre er det sånn at ofrene for overfallsvoldtekter i større grad frykter for sitt eget liv under voldtekten. I tillegg er det sånn at overfallsvoldtekter skaper frykt i befolkningen, spesielt i den kvinnelige delen av befolkningen. Det gjør det utrygt for utendørs. Jeg vil gjerne si noen ord om debatten. Så langt i denne stortingsdebatten har heldigvis alle talere før meg vært veldig tydelig på hvem som har ansvaret for voldtekt. Det er jeg glad for. Men i den offentlige debatten ser vi til stadighet et tilbakevendende tema, og det er hva offeret selv kunne gjort annerledes for å unngå voldtekten. Altfor ofte er det fokus på hvor jenter beveger seg, i hvilket tidsrom de beveger seg, hva de har på seg når de beveger seg i dette tidsrommet, og hvorvidt de har drukket alkohol eller ikke. Noen går til og med så langt at de hevder at noen kvinner ber om å bli voldtatt gjennom oppførselen sin. oppførselen sin. Den beskjeden de som ytrer seg slik, sender til voldtektsofferet og til alle kvinner, er at de aksepterer at voldtekt skjer, og at kvinner har å avfinne seg med at voldtekt skjer, og at de må ha sine egne retningslinjer. Den beskjeden jeg ønsker at vi skal sende til alle kvinner, er at vi ikke aksepterer det, og at det er voldtektsmannen som har et problem. Dette er holdninger som befester seg langt inn i rettsapparatet.

før voldtekten. Dette truer norske kvinners rettssikkerhet. Norske kvinner har ingen rettssikkerhet mot voldtekt når vi har sånne tilstander i norske rettssaler. I tillegg skaper det et skille mellom verdige og uverdige ofre som vi ikke kan leve med. Mange har omtalt voldtektene i høst som en bølge, inkludert jeg selv. Jeg foreslår at vi slutter med dette her og her og nå. Når noe skjer jevnt hele tiden, er det ikke en bølge, men en kronisk tilstand. Helt til slutt et lite hjertesukk: Det er bra og riktig at vi har en egen debatt om overfallsvoldtekt, ikke minst på grunn av den frykten det skaper hos alle, når overfallsvoldtekter skjer.

om en mann som gjemmer seg bak en busk, gjør at vi ofte tviler på om vi har blitt utsatt for et overgrep, når vi har det. Ofte oppdager offeret sent – mange uker etterpå – at det som skjedde, faktisk var en voldtekt. Da er det ganske sent å sikre spor og bevis. Jeg holder fast på at at denne debatten er kjempeviktig. Jeg vil takke interpellanten for å ha tatt opp overfallsvoldtekt i stortingssalen, men vi trenger å få den samme krisestemningen som vi har når det gjelder overfallsvoldtekt, for alle de andre voldtektene som begås i Norge. Det denne interpellasjonen tek opp, er få den samme krisestemningen som vi har når det gjelder overfallsvoldtekt, for alle de andre voldtektene som begås i Norge. Det denne interpellasjonen tek opp, er eit veldig viktig tema, og eg er einig i det som blir sagt frå fleire, at det er viktig å skilje mellom debatten om valdtekter generelt og overfallsvaldtekter, ikkje fordi vi ikkje skal ta den første typen på alvor, men Eg vil likeins som André Oktay Dahl peike på at også menn blir valdtekne, og at mørketala der nok er større enn blant kvinner. Dei blir også utsette for meir grov, blind vald. Det er også noko vi må ta på alvor. Eg trur at det at vi pratar mykje meir om valdtekt no, både om overfallsvaldtekt og om andre typar valdtekt, forhåpentlegvis fører til at fleire melder frå til politiet, og at vi dermed kan ta fleire gjerningsmenn, og at fleire forstår at dei ikkje skal skjemmast sjølve når dei har vorte utsette for ein slik type overgrep. Stavanger har gjort eit imponerande arbeid mot overfallsvaldtekter, og der må også Oslo sjølvsagt lære av dei erfaringane dei har gjort. Men så må vi hugse på at Oslo er både langt større og meir uoversiktleg enn Stavanger, og det trengst mykje meir massiv innsats i Oslo, trur eg, for å kunne få tilnærma like resultat. Det har vore gjennomført gode analysar av valdtektsproblematikken i Oslo, men målretta strategi og konkret oppfølging kan forbetrast. Det er neste steg. Eg meiner det hastar at dette steget blir teke. Kvinnesyn er ein del av denne saka. Valdtektsmenn finst det openbert mange av, både blant nordmenn og blant utlendingar. utlendingar. Når norske menn valdtek, seier vi ikkje at dette er ein del av norsk kultur og kvinnesyn. Det er viktig for meg å påpeike at det kan det lett bli til når det er utanlandske valdtektsmenn. Men så er det slik at statistikken tyder på at det relativt sett er langt fleire ikkje-vestlege gjerningsmenn, spesielt frå enkelte land – dei er i stort fleirtal, spesielt når det gjeld Eg meiner vi må balansere denne debatten så godt vi kan, og sjølvsagt hugse på at dei aller fleste ikkje-vestlege menn ikkje er valdtektsmenn. Vi må ikkje gå i ei felle her. Men om vi ser bort frå statistikken og ikkje gjer tiltak få, meiner eg at vi ikkje kan kjempe mot problemet heller. Det er dessverre slik at det rår ganske sterke og skremmande kvinnefiendtlege haldningar i enkelte grupper, og da er det viktig at vi ikkje gløymer den delen. Vi må påpeike at kvinner skal få kle seg og te seg som dei vil, utan at dei blir sedde på som potensielle valdtektsoffer som det er grunn til å kunne angripe. Ein part eg har etterlyst i denne debatten, er innvandrarorganisasjonar og Ein part eg har etterlyst i denne debatten, er innvandrarorganisasjonar og imamar. I Stavanger var nettopp asylmottaket ein viktig part i det samarbeidet som vart gjennomført for å få bukt med overfallsvaldtektene, der det handla om å formidle det vi gjerne oppfattar som og kallar norske verdiar og norsk kvinnesyn, og likestillingsperspektivet overfallsvaldtektene, der det handla om å formidle det vi gjerne oppfattar som og kallar norske verdiar og norsk kvinnesyn, og likestillingsperspektivet – ein type formidling av viktige verdiar for forhåpentlegvis å førebyggje problemet rundt valdtekt. Eg meiner i den grad eg tek feil når eg trur at det relativt sett er fleire

Mange gode tiltak er iverksette, det gjeld m.a. DNA-reforma, eit eige etterforskingsmiljø i Kripos og ikkje minst at vi også har skjerpa straffelova. Til det siste ønskjer eg å formidle at eg meiner domstolane i altfor liten grad ser ut til å ha teke inn over seg dei tydelege signala som den lovgivande forsamlinga, som vi er, har gitt om at dei bør i mykje større grad bruke den øvre delen av strafferammene når dei dømmer nokon for

det. Derfor tenker jeg at dette er en diskusjon om voldtekter generelt, men det er også en diskusjon om overfallsvoldtektene, som skaper en enorm frykt i hele byen og i hele landet. Samtidig er det også en diskusjon om voldtekt i nære relasjoner, som også er forferdelig. Jeg vil prøve å komme med mine momenter om begge deler, fordi jeg mener, som representanten Gina Knutson Barstad på en glimrende måte også påpekte, det er viktig å bekjempe begge deler. På kort sikt mener jeg det er veldig viktig nettopp å stoppe overfallsvoldtektsbølgen, fordi den skaper en enorm frykt, og fordi en ikke lenger kan gå trygt rundt i byen. Et viktig poeng for Kristelig Folkeparti er nok synlig politi. Et viktig poeng for Kristelig Folkeparti er nok synlig politi. To momenter der er f.eks. at det er mange nyutdannede politimenn/kvinner som i dag går uten jobb. De kunne fått en jobb og skapt trygghet i byen. Et annet poeng er at en kunne redusert skjenketidene og gjennom det frigjort mye ressurser i politiet, som bruker tiden sin på feil tid av døgnet, som heller kunne brukt sin kapasitet og sine ressurser på flere politifolk som kan være med Så vil et annet poeng være kompetanse på etterforskning og også at DNA-bevis må komme raskt. En vet at mange av mennene i forbindelse med overfallsvoldtekter er serievoldtektsmenn. Det å få dømt dem så fort som mulig vil også hindre nye voldtekter. Så må vi ha en bedre ivaretakelse av ofrene, slik at flere tør og orker å melde fra. Og så må vi se til dem som har lyktes, om det er om det er til utlandet, eller om det er til Stavanger. Men jeg synes poengene fra Stavanger – der en klarte å stoppe det helt – er veldig gode. Koordinering er et stikkord – ha et eget forum, som de f.eks. har i Stavanger, der frivillige organisasjoner, DIXI, Ottar, flyktningmottak, flyktninghjelp, drosjer, kommuner og politi jobber sammen. En får da også mye mer fokusering på spaning. Dette er tiltak som er mer på kort sikt, som jeg mener det er viktig å gjennomføre nå, for å få redusert antall overfallsvoldtekter og stoppe den bølgen som er nå. Men på lang sikt, som det kanskje er vel så viktig å snakke om når en diskuterer voldtekter, etterlyser Kristelig Folkeparti at det blir fattet et vedtak om en nasjonal handlingsplan mot voldtekt og seksuelle overgrep. seksuelle overgrep. Jeg mener at statsråden bør gå i bresjen for nettopp en nulltolleranse når det gjelder voldtekt, at en tydelig sier at det er uakseptabelt, og at en tverrpolitisk kan lage en handlingsplan som går ut på det overskriften, eller tittelen, på Voldtektsutvalgets rapport, som kom i 2008, var: «Fra ord til handling». Jeg synes rapporten fra Voldtektsutvalget nettopp rapporten fra Voldtektsutvalget nettopp beskriver viktigheten av en nasjonal handlingsplan. Den kom med klare anbefalinger, og vi vet at i dag er det ni av tolv av de forslagene som ikke er fulgt opp. Det viser at vi trenger ansvarsfordeling, å vite hvem det er som sitter med ansvaret. Vi trenger egne budsjetter. Vi trenger tidsfrister når det gjelder tiltakene. Hvis en kan gjøre det forpliktende, blir det også fulgt opp. Det kunne det blitt gjort gjennom en handlingsplan. Et annet poeng er forebygging. Man må få bedre seksualveiledning og ansvarliggjøring av gutter når det gjelder hvor grensene går. Det må skje i skolen, og det må, som flere har vært inne på, skje i asylmottak. Innvandrermiljøene og skolene må få enda mer kunnskap og innføring i nettopp det å sette Så mener jeg at det også må være mer forskning på sedelighetsdømte, slik at en kan få mer kunnskap. Det bør etableres en nettportal der det er mulig både å søke informasjon og å gjøre det lettere å kunne anmelde. Så vil jeg kjapt komme inn på et poeng til, og det er at domfellelsesprosenten er betydelig lav. Voldtekt er nesten en av de tryggeste pst. blir ikke anmeldt, sa Voldtektsutvalget. Åtte av ti anmeldelser blir henlagt. Det er alvorlig at ikke ofrene opplever at når de anmelder, blir voldtektsmannen også dømt. Aller først vil jeg takke interpellanten for å ta opp en viktig problemstilling. Vi er

så må vi passe oss for å stigmatisere en allerede svak gruppe. Det er ikke slik at alle innvandrermenn er potensielle voldtektsmenn. Det er noen ytterst få som skaper stor Jeg hadde for noen år tilbake en arbeidsuke hos P4, «Michael Direkte», og da var jeg ute og intervjuet noen innvandrermenn om dette temaet. Det var ganske lett å få urovekkende holdninger på tape, der man snakket om at norske kvinner selv hadde skyld i at de ble voldtatt – på grunn av måten de gikk kledd på. De hadde et kvinnesyn som vi ikke helt har klart å forstå i Norge. Dette må vi tørre, våge, å snakke om. Fremskrittspartiet har noen ganger vært ute å kjøre når de sier at vi må stoppe asylsøkerne som kommer til Norge, og at asylsøkerne er skyld i overfallsvoldtektene. Da er vi på et feil spor. Vi må komme inn på det riktige sporet. Vi må kunne klare å kalle en spade for en spade, men allikevel klare å ha verdigheten i behold når det gjelder asylsøkere. Det er faktisk også slik at det er barn som er født i Norge som vokser opp og blir voldtektsmenn. Da har vi ikke lyktes som samfunn. Det må vi kunne gjøre noe med. Det handler ikke minst om likestilling og kvinnesynet. I VG 6. november i år oppfordret jeg daværende justisminister, Knut Storberget, om å ta tak i dette, til å gjøre noe med holdningene til innvandrerne. Jeg oppfordret ham til å lage en holdningsendrende kampanje, rette en åpen invitasjon til imamer og innvandrerledere, invitere dem inn for å gi dem et mandat til å gå ut og snakke om likestilling Han rakk jo ikke å ta tak i dette. Derfor sender jeg nå denne ballen over til den nåværende justisminister. Jeg vil gjerne bidra på dette området dersom justisministeren ønsker å ta den ballen. Voldtekt, som jeg var inne på, handler om holdninger og mentalitet og ikke minst om menns holdninger til kvinner. Her må også mennene selv stå fram som et godt forbilde. Det handler om å endre det fordreide kvinnesynet som finnes i enkelte miljøer. Det er mange innvandrerfamilier som ikke tør å ta tak i disse problemene ved middagsbordet, fordi man ikke er vant til å diskutere dette med sine barn. Sexprat med barn, som kanskje ikke er så uvanlig i de etnisk norske hjemmene, er ikke så vanlig i de ikkeetnisk norske hjemmene i Norge. Dette må vi også snakke om. Ikke minst tjener det faktisk ikke innvandrernes sak at det er så mange som er representert prosentvis på overfallsstatistikken. Det er med på å undergrave integreringsarbeidet, og det er med på å gjøre det enda vanskeligere for muslimene i Norge at det er så mange som er overrepresentert på overfallsvoldteksstatistikken. Dette må vi gjøre noe med. så mange som er overrepresentert på overfallsvoldteksstatistikken. Dette må vi gjøre noe med. Justisministeren var inne på å starte en interdepartemental arbeidsgruppe for at de skal lage en egen handlingsplan. Det er en god tanke. Men jeg undrer meg på hvorfor man ikke allerede tar tak i det som har blitt fremmet i NOU-en fra 2008, fra Voldtektsutvalget, og implementerer de forslagene som er lagt fram der. Det må også være lov for en statsråd å innrømme at systemene ikke har gjort nok for å forebygge og oppklare alle typer voldtekter. Det er mange typer voldtekter. Når vi hører om overfallsvoldtekter, glemmer vi at voldtekter flest i Norge ikke er overfallsvoldtekter – det er voldtekter i nære relasjoner, det er nachspielvoldtekter, det er bekjentskapsvoldtekter, men det er også enda gjengvoldtekter. Det må være lov for en statsråd å innrømme at vi ikke har gjort nok på dette feltet. Så er jeg uenig med statsråden i at det ikke vil være noe særlig hensiktsmessig å lage en separat enhet, slik Voldtektsutvalgets leder, Rita Sletner fra Venstre, foreslo, SEPOL. Jeg tror det å heve prestisjen i å oppklare denne kriminaliteten vil ha noe for seg. Vi vet at det er veldig mange gode polititjenestemenn som ønsker å jobbe med drapssaker og med org.krim-saker, og vi må også gjøre det prestisjefullt for dem å jobbe med å oppklare voldtektssakene. Jeg skulle gjerne sagt noe om signalene som skal sendes fra Stortinget, som representanten Bøhler var inne på, til domstolene, men som kjent tar ikke engang regjeringen signaler fra Stortingets talerstol, så jeg tror vi må gjøre det i lovs form. Jeg vil begynne med å takke representanten Tetzschner for å ta opp dette alvorlige temaet i Stortinget. Når det er

mot et mer likestilt samfunn, som utvidet pappapermisjon, har gått på bekostning av bekjempelse av voldtekter. Denne regjeringen klarer fint å ha to tanker, ja faktisk flere tanker, i hodet samtidig. De siste månedene har vi sett at hovedstaden har vært preget av flere voldtekter. Unge kvinner på tur hjem fra byen blir overfalt og voldtatt. Dette er uakseptabelt. Mange frykter å gå hjem alene sent på kvelden, og det å bestille taxi til en adresse på natten har også bydd på problemer. Voldtekt er et av de mest traumatiserende overgrepene et menneske kan utsettes for. Mange kvinner føler på utryggheten når de ferdes i byen sent på kvelden. Jeg har hørt historier om jenter som har blitt overfalt og forsøkt voldtatt på som naturlig nok også sliter med frykt og usikkerhet. Tidligere justisminister Knut Storberget varslet i sommer et samfunnsløft mot voldtekt. Politiet kan ikke utføre arbeidet for å bekjempe voldtekt alene. Det er viktig å videreutvikle og koordinere en bred helhetlig innsats mellom politiet, kommunen og offentlig, Det handler om en rekke tiltak, som belysning og det å skape trygge byrom ved at alle tar ansvar. Oslo Arbeiderpartis bystyregruppe foreslo før sommeren en rekke tiltak for å trygge byrommet, bl.a. belysning og det å kutte i vegetasjonen i områder der få ferdes og man trenger å få mer oversikt. Dette fikk Det viser at det også er tiltak som kommunen kan sette i gang, og at en bred fokusering er viktig også fra byrådet i Oslo. Men det er viktig å understreke at dette ikke bare er et hovedstadsproblem. Tromsø, Tynset og Ålesund – for å nevne noen steder – har også den siste tiden opplevd overfallsvoldtekter, og disse har blitt anmeldt. anmeldt. Nå nærmer vi oss julebordstiden, og det varsles om at kommende helg vil være en travel helg for utelivsbransjen – og da igjen for politiet. Vi vet at en økning i alkoholforbruket også fører til at volden øker. Representanten Kjell Ingolf Ropstad var inne på dette i sitt innlegg. Kristelig Folkeparti sitter i byrådet i Oslo og kan stramme inn skjenketiden, hvis de vil det. Men de ga opp skjenketidene for

Vi må alle sammen ta ansvar for vår felles trygghet. Politiet kan gjøre mye, men den viktigste forebyggende innsatsen er den vi alle sammen kan gjøre hver eneste dag. I Stavanger gjorde bevissthet og informasjon bl.a. gjennom media innbyggerne mer oppmerksomme, noe som også har bidratt til den dramatiske nedgangen i antall overfallsvoldtekter i Stavanger. Å forebygge overfallsvoldtekter må være

Det er viktig at biologisk materiale som sendes til Folkehelseinstituttet, blir behandlet raskt. I de svært alvorlige sakene som overfallsvoldtekter er, blir DNA-bevis behandlet i en egen prosess, og det finnes eksempler på at slike analyser blir gjennomført på ca. ett døgn. Kapasiteten for å gjennomføre undersøkelsene er gode, men utfordringen er at det i mange av sakene ikke finnes biologisk materiale, eller at det biologiske materialet har for dårlig kvalitet. kvalitet. Det er viktig at politiet framover prioriterer å sikre sporene raskt og sende det eventuelle bevismaterialet over til Folkehelseinstituttet så fort som mulig. Når man kommer så langt ut i debatten, er

er en helt uholdbar situasjon, en situasjon som ikke er verdig for Oslo som by eller for Norge som land. Noe må være alvorlig galt i en by når vi har et så stort omfang av voldtekter. Overgrep er, som flere talere her har sagt, en av de mest nedrige og uverdige måter vi mennesker kan opptre overfor andre på. Det er totalt uakseptabelt, og jeg er glad for at det er enighet i Stortinget om det. Men den store debatten går på hvordan vi skal motvirke dette, og hvilke tiltak som skal settes inn. Noe må vi åpenbart gjøre galt, og de tiltakene som er blitt satt inn, må være mangelfulle. Jeg skulle ønske at man fra de rød-grønnes side kunne være mer åpen for å diskutere den siden. Når vi nå har fått en ny justisminister, er jeg, etter å ha hørt hennes innlegg, derfor overrasket over at hun ikke har flere konkrete tiltak som hun ønsker å profilere seg på og sette inn

nå. Det gir oss en langsiktig utfordring som vi er nødt til å legge en klar og tydelig strategi for å løse. Det går på informasjon overfor ungdom, det går på informasjon overfor befolkningen generelt, men vi må også kunne ta en debatt om hvor stor den fremmedkulturelle befolkningen i en by som Oslo skal være. Politiet i Oslo har nå i forbindelse med denne situasjonen satt inn en sterkere tilstedeværelse. Det kan vi som ferdes i byen daglig, merke. På Plata, foran Oslo S, er det et betydelig antall politi. Jeg går forbi der to ganger hver dag, og jeg teller fem–seks politibiler hver gang jeg går forbi. forbi. Man kan se tydelige resultater av det. Seniorpatruljen, som har vært på Karl Johan en stund, er et veldig positivt tiltak som åpenbart gir gode resultater. Statsråden opplyste i sitt innlegg at man har doblet antall patruljerende politi i forbindelse med denne situasjonen siden 4. november. Men jeg må si at i den debatten vi har hatt rundt politiets ressurser, ressurser, er det rart for meg at politiet kan sette inn så store ressurser, som man tydelig ikke har hatt tidligere. Hva er poenget med å sette inn store ressurser i en liten periode? Man burde ha disse ressursene – når man åpenbart har dem tilgjengelig ute hele tiden, slik at man kan unngå at denne typen situasjoner som vi har hatt nå, oppstår. Da ønsker jeg å få et klart svar på om politiet i Oslo har de ressursene som de trenger, eller ikke. Domstolene har en viktig oppgave i forhold til å bruke den strafferammen som vi har vedtatt. Stortinget hevet strafferammen for denne typen overgrep betydelig i 2010, og det var en ny praksis ved at Stortinget gikk inn i forarbeidene og definerte klart hva være. Det ble bruk av minimumsstraffer, noe Fremskrittspartiet har påpekt lenge bør være et viktig tiltak, men dommerne protesterte mot det. Hvordan hadde situasjonen vært når det gjelder straffeutmåling, hvis dommerne hadde fått gjennomslag for at man ikke skulle bruke
Anders Werp,

interpellantens innlegg også tolkes på en slik måte at man fra regjeringspartienes side går i forsvarsposisjon. Det overrasker meg. Jeg trodde faktisk dette temaet var så viktig at her måtte man være åpen for å høre alle gode innspill og synspunkter med et åpent sinn, og være villig til å se på alle muligheter for å gripe fatt i dette og for å redusere problemet. Voldtektsutvalget fra 2008 er nevnt av flere. Vi kan dessverre konstatere at mange av de tiltakene ikke er satt ut i livet, og at det nylig er fremmet en ny handlingsplan fra statsråden som vi naturligvis skal ha store forventninger til, og som er et positivt tiltak i seg selv. Men det er også viktig å huske på at når vi skal gripe fatt i et tema som dette, må vi ha et perspektiv. Erfaringene fra Stavanger har lært oss mye. Justiskomiteen har – som flere har vært inne på – besøkt politiet der og fått en god innføring i erfaringene. Den brede mobiliseringen, det synlige politiet, det gode samarbeidet og dialogen med innvandrermiljøene, bruk og ikke minst et bredt lokalt engasjement som i sum har gitt et godt resultat, gjør at kvinner og menn i Stavanger kan føle seg tryggere enn det de var tidligere. Men for å få til det er vi avhengig av at myndighetene tar de nødvendige initiativ, legger forholdene til rette og stiller ressurser til rådighet. Det å utnytte mulighetene i større grad enn det vi kanskje har sett hittil, er noe av Høyres hovedbudskap – det at politiet er til stede når behovet er størst. Det blir ganske vanskelig, og i hvert fall utfordrende for politiet, når vi ser at i de fleste politidistrikt, 21 av 27, går politidekningen ned. ned. Vi fra Høyre har fremmet forslag flere ganger om bruk av politiressursene ved å utnytte politiets seniorer bedre, og ved å konvertere bruk av de sivilt ansatte i politiet til å frigjøre politikraft. Vi har blitt nedstemt. Vi må også se ved å konvertere bruk av de sivilt ansatte i politiet til å frigjøre politikraft. Vi har blitt nedstemt. Vi må også se på etterforskningssiden. Vi må åpne opp for større kapasitet og raskere analyseresultater når det gjelder DNA – hvor man møter en dogmatisk motstand i forhold til det å bruke private, gode, godkjente tilbud på det området. Jeg vil også i i gjeldende straffelov kanskje ikke heller er godt nok til å møte dette på en – la oss bruke ordet – «adekvat» måte i rettssystemet. Så temaet er viktig. Oslo er hardt rammet. Vi har alle et betydelig ansvar for å løfte dette fram for å sikre hovedstaden, og hovedstadens kvinner spesielt, bedre i en sånn situasjon. situasjon. Nok en gang: Takk til interpellanten. De temaer som av flertallspartiene er mottatt som en mulig kritikk fra interpellanten eller fra Høyres talere på denne talerstol, håper jeg virkelig blir tolket konstruktivt ut fra at vi ønsker å løse et alvorlig problem. All honnør til Tetzschner som tar opp dette viktige temaet i Stortinget, men jeg må også si at jeg er

Det har vært en stor økning i antall overfallsvoldtekter. Det har bekymret oss alle, og det har gjort at mange er redde for å gå i Oslos gater. Sånn kan det selvsagt ikke være. Interpellanten har utfordret justisministeren på hva hun vil gjøre for å bekjempe voldtektene, spesielt da i Oslo. Jeg mener statsråden ga gode, konstruktive og konkrete svar på hva som er gjort, og hva som skal og må gjøres framover. Det er flere som har vist til Stavanger. Det er naturlig i og med at justiskomiteen var på besøk der tidligere i høst. Den informasjonen vi fikk der om hvordan de fikk bukt med overfallsvoldtektene, er det viktig å ta med seg videre. Som flere har vært inne på, lyktes de fordi de erkjente at politiet alene ikke kunne løse disse utfordringene. Der gikk man sammen for å mobilisere og få de sammen for å mobilisere og få de gode kreftene til å samarbeide – alt fra drosjenæringen, natteravnene, utelivsbransjen, dørvaktene, voldtektsmottak til innvandrertjenesten har sammen tatt tak i problemene. Politiarbeid, som etterforskning og spaning, har selvsagt hatt stor betydning, men også et målrettet holdningsskapende arbeid og en bevisstgjøring hos folk flest på å følge mer med i det som skjer i bybildet, ga resultat. Noe annet var at også media spilte en viktig rolle. De brukte faktisk spalteplass på å gå mer i dybden på problemstillingene framfor kun å lage tabloide overskrifter. Dette arbeidet ga altså resultat, som flere har vist til. Heldigvis er det mange også i Oslo som engasjerer seg, jf. det som Jan Bøhler var inne på. Det er bra, og det viser at det er mange som bryr seg. Men jeg må si at oppi alt dette engasjementet ble jeg litt skuffet over den politiske ledelsen i Oslo da det sto på som verst tidligere i høst. Det har heldigvis rettet seg litt, men da det stormet som verst, var byrådet mer opptatt av å kritisere regjeringen og rope på mer politi i gatene, framfor å komme med tiltak

og mer tid på eksempelvis voldtektsproblematikken. Jeg håper også at Tetzschner vil viderebringe dette til sine partifeller i Oslo. Det har vært mye snakk om at det er mannfolk med ikke-vestlig bakgrunn som begår voldtektene, og at de sannsynligvis er overrepresentert når det gjelder overfallsvoldtektene i Oslo. Jeg synes vi skal se på spesifikke tiltak i den sammenhengen. Det er likevel viktig å ha med seg helhetsbildet når vi snakker om

skolesekken». Forslaget hennes gikk ut på at seksualundervisningen i skolen må handle om mye mer enn forplantningslære, prevensjon og kjønnssykdommer. Undervisningen må handle mer om seksualmoral, hva som er akseptabel adferd, og at et nei er et nei. Mennesker som kommer til Norge fra andre land, må selvsagt få samme undervisning i de kommunene de oppholder seg. Vi må erkjenne at hovedårsaken til at

arbeid. Eg skal òg gje interpellanten skryt for at han har teke opp dette temaet i stortingssalen. Det er veldig viktig. Men så lurer eg på – og det skal han ikkje ha skryt for – kva som eigentleg skjedde i byrjinga av innlegget? Ikkje berre var det pappaperm som var grunnen til at me Ikkje berre var det pappaperm som var grunnen til at me ikkje har fått gjort noko meir med valdtektsbølgja, men òg trillegrupper var ei av årsakene til at me framleis har valdtekter her i landet. Og då må eg berre minne representanten Tetzschner om at Høgre faktisk stemte for det forslaget. Berre så det er sagt. Me er komne eit langt stykke på veg etter fleire veker med valdtektsdebatt. Me har endeleg fått ei breiare forståing av at valdtekt ikkje handlar om Valdtekt handlar aldri om offerets oppførsel, påkledning, lokalitet eller rus, og det var ikkje gjeve at det var debattklimaet. Det var heller ikkje debattklimaet for litt over ein månad sidan, då me begynte å snakke om dette. Valdtekt startar i hovudet til ein overgripar som synest at det å stele tilgang til eit anna menneske er Som politikar kan ein aldri høyre seg sjølv seie: Som jente, pass på å ikkje gå aleine heim, pass på kor full du er, pass på kva du har på deg! Kanskje kan du ringe nokon på veg heim? Kanskje kan du ta taxi? Ei slik privatisering av utryggleikskontrollen er ikkje ein politikar verdig. Råd til jenter om kleskode, kvar og når me skal gå, høyrer ingen stad heime i ein valdtektsdebatt. Me jenter, me kan tenkje sjølve. Me treng ikkje råd, me treng handling. Valdtekt er ein tragedie for ofra, familiane deira og dei næraste. Det er det ingen tvil om. Valdtekt stel ikkje berre offerets tryggleik, men heile samfunnets tryggleik. Fråvere av den tryggleiken et opp fridomen vår, fridomen til å stå og gå i det offentlege rommet, når, kva tid og kor det måtte passe. Ufrie menneske er ikkje trygge. Dette rammar ikkje berre dei som er på veg heim, men òg dei som er på veg til jobb før det blir lyst om morgonen. Overfallsvaldtekter er overrepresenterte blant dei som er nye i landet vårt. Relasjonsvaldtekter blir i overvekt utførte av etnisk norske. Me kan ikkje stengje nokon ute eller inne av den grunn. Skjenking har kome inn i debatten.

Overgrepsførebygging må inn i skuleverket. I tillegg må me i mykje større grad enn i dag fokusere på det i introduksjonsprogrammet. Me må saman krevje plass til den debatten som me alltid må ta ein annan gong, som me alltid må ta seinare. Det finst gutar i dette landet som ikkje eingong veit at dei har valdteke nokon. Me må kunne diskutere tiltak for neste helg og neste generasjon samtidig.

Oslo kommune har reagert, og folk i Oslo har teke ansvar og gått i gatene. Me bør diskutere kvifor det å setje inn konkrete akutte tiltak lokalt sit så langt inne. Det sit godt inne i Bergen også, der partiet til representanten Michaelsen, som etterlyste akutt handling, er med og styrer. Etter over ein månad med debatt, der me har nytta moglegheita til å førebyggje valdtekt, har byrådet i Bergen i dag sagt at dei vil ha lys av dei mørke stadene. Me må skape betre medvit lokalt om konkrete førebyggjande tiltak. Byrommet må gå gjennom nokre endringar som gjer at valdtekt ikkje blir ynskt velkommen. Me må rydde opp i busk og kratt, me må få lys der det er mørkt, og dei som allereie er gjester i byrommet når det er mørkt

er. Voldtekt er noe av det verste et menneske kan bli utsatt for. Det er en av de absolutt verste krenkelsene for et menneske. Både menn og kvinner blir utsatt for dette overgrepet, men det er imidlertid kvinner som utgjør den absolutte majoritet når det gjelder ofre. Et sted mellom 8 000–16 000 blir utsatt for voldtekt hvert år. En voldtekt kan bety et ødelagt liv. De aller fleste kvinner blir voldtatt av partneren sin eller en hun kjenner godt. Disse mennene har et kvinnesyn som går tilbake til steinalderen. Et sivilisert samfunn er nødt til å ta dette på alvor. Vi kan ikke leve med at så mange kvinner blir utsatt for denne nedverdigelsen. Voldtekt er, som som mange før meg har beskrevet, et meget alvorlig brudd på et menneskes integritet. Verre blir det når kvinnen blir utsatt for voldtekt når hun minst venter det – de såkalte overfallsvoldtekene. Da kommer sjokket og frykten, i tillegg til alt som hører en voldtekt til. Disse mennene er fremmedelementer i vårt samfunn og i vår tid. Mentalt hører de til en periode i historien hvor mennesket ikke kunne skille mellom mellom godt og vondt. Rett og moral er den største forskjellen mellom dyr og mennesker. Her må tiltaksrammen utvides. Menn kan ikke ta ansvar for andre menns svarte gjerninger, men vi menn må engasjere oss bredere i Tross alt er det menn som voldtar. Jeg har tre gutter. To av dem er i den alder da det er riktig å ta en samtale med dem om dette alvorlige temaet. Det har jeg gjort. Denne samtalen må flere ta med sine sønner, sine brødre, sine kamerater osv. Fra regjeringens og fra Stortingets side har vi satt i gang mange gode og treffsikre tiltak for å forebygge, etterforske og straffe denne kriminaliteten. Kort vil jeg nevne et styrket politibudsjett, skjerpelse av straffen for voldtekt, opprettelse av familievoldskoordinatorer i 100 pst. stilling i samtlige politidistrikter, polititeam i større politidistrikter som jobber forebyggende, unnta politidistriktene fra å betale testutgifter for DNA, opprettelse av særskilte stillinger osv. Jeg blir litt overrasket over over den kritikken som kommer fra enkelte. Presisjonsnivået må vel være litt bedre enn som så hvis representanten har vært med på å vedta disse tiltakene. Når man likevel sier at det ikke har vært fokus på dette, blir jeg litt overrasket. Stavanger er nevnt flere ganger. Godt jobbet, Stavanger! Så klarer jeg ikke å skjønne logikken hvis man mener at regjeringen har lyktes i Stavanger Stavanger! Så klarer jeg ikke å skjønne logikken hvis man mener at regjeringen har lyktes i Stavanger og ikke i Oslo. Da er det noe som mangler, og det som mangler, er i Oslo. Da er mitt spørsmål tilbake til representanten Michael Tetzschner, som faktisk er leder i Oslo Høyre, som har byrådslederen: Er Oslo kommune villig til å gå inn i debatten? Er Oslo kommune f.eks. villig til å innskrenke skjenketiden med 1 time, om ikke annet for å få den politikraften som vi kan få ut av 1 time hver dag, ikke minst i time, om ikke annet for å få den politikraften som vi kan få ut av 1 time hver dag, ikke minst i helgene, gjennom året og bruke den på å etterforske nettopp voldtekter i alle typer har Oslo kommune gjort når det gjelder å utvide og forsterke skjenkekontrollen av overstadig berusede mennesker? Hvor mange kontroller er gjennomført? Er Oslo kommune villig til å se på sin raserende veldig opptatt av å øke statusen for dem som jobber i politiet, men hva med å øke statusen til én av de aller viktigste næringene i byen når det gjelder forebygging av voldtekter – drosjesjåførene og drosjeeierne? Nå er det faktisk så mange drosjer i byen at man ikke får jobber, de som kan det. Vi får andre, som ikke får noen annen jobb, inn i drosjenæringen – dermed har statusen sunket i drosjenæringen. Det beste byrådslederen kunne fortelle forleden, var at han kunne tenke seg å utvide drosjeparken i Oslo. Er disse tiltakene de beste som kan komme fra Oslo Høyre? Til foregående taler vil jeg si: Stortingsrepresentant Chaudhry må jo kjenne til arbeidsdelingen mellom stat og kommune og vite at det er

For øvrig har jeg også lagt merke til at politimesteren i Oslo faktisk ikke er så positiv til den såkalte Stavanger-modellen. Han sier at tallene forstyrres av at man i Stavanger fikk fatt i et meget begrenset antall gjerningsmenn, og dermed var problemet løst. Så underforstått: Han var ikke interessert å gå inn på den modellen, men det kan han sikkert ha en dialog med sin arbeidsgiver og ansvarlige for sektoren om. Det skal jeg ikke legge meg opp i. Jeg synes det var litt skuffende å høre at statsråden var så veldig glad når antallet anmeldelser gikk opp. Hvis vi stopper opp ved det utsagnet lite grann: Det må jo være fordi all økning skulle skrive seg fra en overgang fra mørketall. Jeg har en følelse av at det ikke er forskningsmessig eller statistisk belagt. belagt. Hvis det bare er én ekstra anmeldelse som er reell, og alle de andre kommer fra mørketallene, er det allikevel en økning som går i en gal retning, og som betyr at vi er i en oppadgående trend, der andre byer klarer å få ned sin kriminalitetsutvikling på dette området. Bøhler var inne på at det var flott med disse skippertakene og det å mobilisere borgere i aksjoner – og Natteravnene er vi for alle sammen. Men jeg må si at et så alvorlig samfunnsområde som det å bekjempe kriminalitet kan ikke bli avhengig av at borgerne melder seg i aksjoner. Det blir også symbolpolitikk. symbolpolitikk. Vi så også at politiet meldte seg inn i aksjonistenes rekker, ved at man plutselig hadde en veldig flott politidekning. Da kan man spørre seg: Hvorfor kan man ikke opprettholde denne gode politidekningen ut over disse feststundene – såkalte – når man skal vise pressen at man virkelig gjør noe. Da vil min utfordring til statsråden – som kommer etter meg – være: Kunne det ikke være en begynnelse å si at det er utmerket med alle disse strategiene, evalueringene og interdepartementale samarbeidet, det skal sikkert skje og summe mye i departementene, men det som betyr noe for tryggheten, slik den oppleves ute i byen, er at det er patruljerende mennesker ute – patruljerende politi, levende mennesker – som man kan henvende seg til, og med klar adresse om at man ikke skal prøve seg hvis man har dårlige hensikter.

bedre kunnskap og bedre kvalitet og også, om nødvendig, økt kapasitet. Det er tatt opp en rekke spørsmål knyttet til budsjett. Det får vi rik anledning til å komme tilbake til i budsjettdebatten i morgen. Men la meg komme tilbake til et par spørsmål som har vært oppe. Blant annet har flere nevnt DNA-prøver og kapasiteten vår til dette. I prioriterte saker kan DNA-prøver besvares innen 24 timer, så det er ikke riktig at dette tar uker. Og som jeg har redegjort for: Vi har nå god kapasitet for analyser. Det er også flere som har kommet inn på overgriperne – og hvem de er. Jeg har sett på voldtektstallene i Oslo og fant følgende: Siktede, mistenkte og domfelte for voldtekter i Oslo per 1. november 2011 er til sammen 134 unike personer. Av disse har 79 norsk statsborgerskap, 55 er utenlandske borgere. Av Oslo politidistrikts voldtektsrapport for 2010 framgår det: «For samtlige voldtektstyper unntatt overfallsvoldtekt er europeiske gjerningsmenn i flertall, hvorav flest norske. Overfallsvoldtektene omhandler imidlertid kun 5 identifiserte, unike personer. Disse har utenlandsk opprinnelse» – antallet er imidlertid så lavt at det ikke gir grunnlag for å trekke slutninger når det gjelder landbakgrunn

Når det gjelder forebygging og holdningsskapende tiltak, vil politiet selvsagt ha en helt sentral rolle og gjør mye, men vi er også avhengig av et godt samarbeid med skole, rundt grensesetting, rundt hva som er akseptabel atferd, og samarbeid rettet mot nyankomne innvandrere og selvsagt også med kommunen. Med det er

interpellasjonsdebatten avsluttet. Justiskomiteen har hatt til behandling Prop. 125 L for 2010–2011 om endringer i offentlighetsloven. Regjeringen har lagt fram et forslag om endringer i offentlighetsloven som gjør at man kan gjøre unntak fra innsyn i to nye kategorier informasjon. informasjon. Det gjelder fødselsnummer og lignende identifikasjonsnummer, og det gjelder lønnsoppgaver dersom innsyn i bruttobetalingene blir gitt på annen måte. Regjeringen begrunner dette med to forhold. Det ene er hensynet til den økende graden av identitetstyveri, og når det gjelder lønnsoppgaver, at det har blitt et betydelig krav om innsyn i denne typen opplysninger, noe som har medført en stor belastning for forvaltningen, og også har ført til betydelige avgrensningsmessige vurderinger av hva som kan gjøres offentlig og ikke. Komiteen har enstemmig sluttet seg til regjeringens forslag. Komiteen påpeker hensynet til identitetstyverier, som vi har sett en økende grad av, og komiteen støtter også unntaket fra innsyn i lønnsoppgaver så lenge det gis innsyn i bruttolønnsutbetalinger og andre godtgjørelser. Det er

Når jeg tar ordet, er det kort og godt for å belyse noen viktige innspill komiteen har fått fra henholdsvis Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening. Fra Høyres side har vi lest de innspillene med betydelig interesse. Når vi likevel velger å gå for regjeringens forslag slik de foreligger, er det kort og godt ut fra hensynet til det å begrense den økende grad av identitetstyverier vi ser i Norge. Nylig ble det offentliggjort statistikk som viser at det er så mange som 124 000 nordmenn som i løpet av de to siste årene har opplevd identitetstyveri knyttet først og fremst til personnummer, og det er identitetstyveri brukt i straffbart øyemed. Det er alvorlig. Det er alvorlig for de personene det gjelder, naturligvis, og det er et generelt samfunnsproblem, og det øker. For Høyre har det vært viktig å legge det til grunn når vi nå skal balansere det som er et felles, tverrpolitisk mål: å ivareta både hensyn og åpenhet i forvaltningen, men samtidig å begrense kriminalitetsutviklingen. Det er en forklaring fra Høyres side i forhold til de innspillene vi har fått i saken. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 3. Etter ønske fra justiskomiteen vil presidenten foreslå at sakene nr. 4 og 5 behandles under ett, og anser det for vedtatt.

Riksadvokaten uttaler at både den nordiske konvensjonen og parallellavtalen bør bli viktige bidrag til en mer effektiv forfølging av grenseoverskridende kriminalitet. Politidirektoratet uttaler seg i samme retning, og også de politidistriktene som har uttalt seg, er gjennomgående positive til endringsforslagene. Derfor går komiteen enstemmig inn for forslagene til vedtak.

kriminalitetsbekjempelsen. Dette er forsterket ytterligere av den økonomiske uroen vi nå opplever i Europa, som sannsynligvis, eller trolig, vil medføre at også den kriminelle aktiviteten på tvers av grensene vil øke. Derfor er dette en viktig og god sak i det perspektivet. Det andre og siste elementet fra Høyres side, som var bakgrunnen for at jeg ba om ordet, var at vi også i denne saken må holde et øye med rettssikkerhetsutviklingen i Europa, slik at vi, når vi nå skal foreta disse tilpasningene, og åpne opp for å flytte kriminelle på tvers av landegrensene i rettsstatens interesse, ikke mister rettssikkerhetsperspektivet av syne. Vi må av landegrensene i rettsstatens interesse, ikke mister rettssikkerhetsperspektivet av syne. Vi må ivareta våre prinsipper og følge med på hva som skjer i Europa, slik at dette elementet hele tiden er og blir ivaretatt. Flere har ikke bedt om ordet til sakene nr. 4 og 5. Første taler er Anna Ljunggren, på vegne av sakens ordfører. Jeg har gleden av å holde saksordførerinnlegget i denne debatten,

og at dette må balanseres med hensynet til vern av fornærmede og pårørende. Pressen har et viktig ansvar gjennom pressens etiske regelverk, der det bl.a. slås fast: Vær varsom med bruk av navn og bilde og andre klare identifikasjonstegn i kriminal- og rettsreportasjer. Vis særlig omtanke ved omtale av saker som er under etterforskning, og i saker som gjelder unge lovovertredere. Avstå fra identifikasjon når det ikke er nødvendig for å tilfredsstille berettigede informasjonskrav. Pressen har dermed en intern etisk rettesnor, og vi kan jo forvente at den følges. Endringer av fotoforbudet i domstolene har vært oppe til behandling en rekke ganger, og fotoforbudet ble utvidet både når det gjelder situasjon og personkrets ved vedtak av straffeloven § 390 c, men bestemmelsen trådte ikke i kraft, og er heller ikke videreført i straffeloven 2005. Kritikken mot straffeloven § 390 c var primært rettet mot utvidelsen av de situasjoner som fotoforbudet skulle gjelde, og ikke utvidelsen av den persongruppen bestemmelsen skulle verne. Flertallet i komiteen, Arbeiderpartiet, Høyre, SV og Senterpartiet, deler forslagsstillernes intensjon om å verne fornærmede og pårørende i straffesaker, men mener at forslaget reiser så prinsipielle spørsmål at man er tjent med en mer grundig prosess. Spørsmålet om fotoforbud vil kunne vurderes i forbindelse med Europarådets konvensjon om beskyttelse og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. Et arbeid med en fullstendig revisjon av domstolloven vil bli påbegynt i 2011, og spørsmålet om fotoforbud vil her kunne ses i sammenheng med andre forslag som berører offentligheten i rettspleien. Denne saken har to viktige sider. Det ene er

den måten opinionen og befolkningen kan kontrollere domstolene på. Vi skal ha åpne rettssaler, og også med tiden ha mulighet til å få både radio- og tv-overføring fra rettssaler. Det ser Fremskrittspartiet som et viktig framskritt når det gjelder å utvikle den åpenheten som vi skal ha i det norske rettssystemet. Det dette også dreier seg om, er hensynet til de involverte i en rettssak. Nå er det slik at siktede og dømte i en rettssak rettssak. Nå er det slik at siktede og dømte i en rettssak har en stor beskyttelse, i og med at det ikke er lov til å ta bilder av dem verken i rettssalen eller på vei til og fra rettslokalet. Nå har norsk presse vært veldig gode i de fleste tilfeller til å ta hensyn til den delen av det som er lovfestet, og de har også vært flinke til å ta hensyn til det som gjelder offer og eventuelt pårørende. Men vi har sett enkelte glipper i dette. Vi så det bl.a. i Alvdal-saken, der pressen gikk langt i å formidle nyheter og store oppslag fra rettssalen, noe som var en belastning for både ofre og pårørende i den saken. Grunnen til at vi legger fram dette lovforslaget, at offer og pårørende bør ha den samme rettssikkerheten, den samme muligheten til å bli beskyttet, og ikke få bilder smurt utover i media når de er involvert i en rettssak. Vi setter pris på at en samlet komité ser behovet for å verne om de fornærmede og ofrene og de pårørende, og at de da signaliserer at behovet for et fotoforbud er til stede. Når flertallet sier at det ikke er nødvendig å innføre det nå, men at vi skal ha en gjennomgang av domstolloven ved

at vi foretar en slik liten endring i domstolloven, sånn at vi kan ivareta interessene, rettssikkerheten og tryggheten til fornærmede, ofre og pårørende i rettssaker. Fremskrittspartiet vil selvfølgelig opprettholde sitt forslag, og jeg håper også at flertallet i salen tar disse signalene med seg og ser nødvendigheten av at vi nå gjør en sånn endring, på vegne av ofre og endring, på vegne av ofre og pårørende. Så kan vi da, ved en senere anledning, når vi skal ha en større gjennomgang av lovverket, se om det skal revideres på noen måte, eller om forslaget, slik det nå står, kan være bærende framover. Så Fremskrittspartiet opprettholder sitt forslag, og vi håper at Stortinget vil være med og gjøre den endringen, til beste for ofre og pårørende.

Første taler er Anna Ljunggren, på vegne av sakens ordfører.

utgjør betydelig kriminalitet og er en del av såkalte organiserte kriminelle grupper. Justiskomiteen har i den senere tid hatt en rekke anledninger til å diskutere og debattere Det har vært en interpellasjon om problemstillingen, og justiskomiteen behandlet før sommeren meldingen om organisert kriminalitet, hvor dette var et betydelig tema, og hvor Stortinget da sto samlet bak kravet om at disse miljøene skal bekjempes med de virkemidler som man har tilgjengelig. For det er ingen tvil om at disse miljøene står for en betydelig kriminalitet knyttet til narkotikaomsetning, utpressing, torpedovirksomhet osv. – noe av den mest alvorlige kriminaliteten som vi har i samfunnet. Politiets arbeid viser også at omtrent samtlige av de fullverdige medlemmene i disse klubbene er straffedømt for betydelig alvorlig kriminalitet. Det viser alvoret i situasjonen, og at det er viktig å sende ut som signal til unge mennesker som ser på disse miljøene som attraktive, at kommer man inn i disse miljøene, er faren meget stor for

politikk for hvordan man skal håndtere disse miljøene. Dette har også komiteen pekt på i innstillingen til meldingen om organisert kriminalitet. Men som fremskrittspartirepresentant vil jeg påpeke nødvendigheten av at politiet over hele landet har en lik tilnærming til disse miljøene. Vi så da Hells Angels nylig hadde et såkalt europamøte i Oslo, at politiet i Oslo hadde en annen tilnærming til dette miljøet enn politiet i Stavanger f.eks. har hatt tidligere når det har vært samlinger. samlinger. Jeg vil også si at jeg reagerte på medias fremstilling av dette møtet. Man fikk nærmest inntrykk av at disse personene var søndagsskolegutter på vei til kirken en søndag formiddag. Pressen må være seg sitt ansvar bevisst, slik at man ikke fremstiller disse miljøene på noen annen måte enn slik de virkelig er. Høyre har, som jeg nevnte, fremmet en rekke forslag, og Fremskrittspartiet har sluttet seg til en del av disse. Jeg tar derfor opp de forslagene som Fremskrittspartiet står sammen med Høyre om i denne innstillingen. Representanten Hans Frode Kielland Asmyhr har da tatt opp de forslagene han refererte til. Ærede de forslagene han refererte til. Ærede representant: Jeg må si at representanten er vesentlig yngre enn presidenten, og hans bilde av søndagsskoleelever på vei til kirke er litt annerledes enn presidentens bilde er. Men det kan jo skyldes aldersforskjellen. Det er riktig, som saksordføreren var inne på, at i denne saken om MC-kriminalitet har vi

som har vært vararepresentant i komiteen lenge. Det gjør at også denne saken bærer preg av mye enighet. Regjeringspartiene har gått inn og støttet de forslagene som angår det å bygge opp et samspill med kommunene, og vi har gått inn i forslaget når det gjelder informanter, og at det må komme til behandling i Stortinget neste år. Det var vi også

merknaden: «Da utvalget skal legge frem sitt arbeid for Justisdepartementet» – altså Våpenlovutvalget – «innen 1. desember 2011, mener dette flertallet det er naturlig å avvente behandlingen av forslag IV–VI til utvalgets konklusjon foreligger.» Når man ser på forslagene IV–VI på første side, er jo forslagene V og VI om plomberte våpen. Men når man ser på oversikten over hvordan forslagene fremmes, er jo Fremskrittspartiet sammen med Høyre om de forslagene som angår dette. Vi er positive til intensjonen i forslagene, men mener vi bør ha en ordentlig utredning av dem i Våpenlovutvalget, og få det fram til Stortinget. Så jeg vil spørre Fremskrittspartiet om hvorfor det ikke er samsvar mellom den merknaden de har gått inn i, og måten de har sortert forslagene på. den merknaden de har gått inn i, og måten de har sortert forslagene på. Men vi er som sagt positive til helheten i dokumentforslaget. Jeg vil bare kommentere noe mer som komiteen arbeider med rundt MC-kriminalitet, og som lå i meldingen om organisert kriminalitet. Jeg tror det er viktig, det vi har sett i disse kriminelle énprosent MC-miljøene, at de nå har undergrupper – allierte grupper – og det er vanskeligere å ta hovedpersonene. De har opprettet noe som kalles AK-team – alltid klar-team – rundt i noen byer i Norge. De har noe som kalles «Street Crew», som er noe lignende. De har visstnok 32 andre klubber som de beskytter, som gjør tjeneste for dem. Det betyr at vi, for å få tatt hovedmennene – tatt de tyngste kriminelle i disse énprosentmiljøene – må forfølge dem på flere måter enn før. før. Da tror jeg Økokrims vinkling når det gjelder å se på hvitvasking, forfølge momssvindel, skatteunndragelser og eiendomsspekulasjon – denne typen kriminalitet i énprosentmiljøene – er viktig for å kunne gå etter hovedmennene. Vi så bl.a. når det gjaldt B-gjengen i Oslo – som ikke var en MC-gjeng, men et tungt gjengmiljø – at det var den tilnærmingen som til slutt ga et gjennombrudd. Jeg vil også si om de punktene vi jobbet med i forbindelse med meldingen om organisert kriminalitet i disse miljøene, at det er et par andre punkter som er avgjørende, og som ikke er nevnt i dette dokumentforslaget. Det gjelder utvidelse av paragrafen om organisert kriminalitet – § 60 a. Å få dømt personer i disse miljøene etter paragrafen om organisert kriminalitet har vist seg komplisert. For eksempel har politiet forsøkt det fire ganger når det gjelder den tidligere presidenten tidligere presidenten i Hells Angels i Norge. Man har fremmet påstander om organisert kriminalitet etter § 60 a, men ikke fått det igjennom i domstolen. Det skyldes at det er stilt bestemte krav om varighet og struktur og nærmest styremøter i organiserte kriminelle miljøer for at man skal kunne bruke paragrafen. Vi har i behandlingen av meldingen om organisert kriminalitet påpekt at den bør gjøres mer fleksibel, og det bør fremmes endringsforslag til den – noe regjeringen også la opp til i meldingen om organisert kriminalitet. Da vil man kunne ramme disse organiserte kriminelle miljøene hardere, og også bakmennene. Det samme gjelder forslaget om som vi behandlet i meldingen om organisert kriminalitet, for det kompliserte samarbeidet man skal drive mellom politidistrikter for å ta disse organiserte miljøene, vil ikke gi så lett utslag i konkrete antall narkotikasaker, antall trafikksaker osv. i politidistriktene. Så vi trenger måleparametre som tar høyde for at politiet må jobbe lenge og konsentrert, bruke store ressurser på denne typen miljøer – fortsette den innsatsen.

om den ene prosenten som Kripos omtaler som det best organiserte og hurtigst voksende organiserte kriminelle nettverk i Norge. Det er alvorlig. Etter undertegnedes mening snakker vi her om et skyggesamfunn, om framveksten av et skyggesamfunn som setter seg over demokratiet. De har egne lovgivende, dømmende og utøvende organer De har egne lovgivende, dømmende og utøvende organer i énprosentklubbene. De har et kvinnesyn som er representert ved at den høyeste status en kvinne kan ha i f.eks. MC-klubben Outlaws, som er en énprosentklubb, er som klubbens eiendom, ikke som medlem. Stortingsmeldingen om kampen mot organisert kriminalitet og Politidirektoratets handlingsplan mot énprosentmiljøet er et veldig godt grunnlag for å debattere denne saken. Det er gjort et godt arbeid politimessig og politisk. Når Høyre likevel velger å fremme et representantforslag om dette temaet, er det fordi vi tar utviklingen, det vi ser i hele Norge nå, på alvor. Dette miljøet er i vekst, og det er særdeles mange kommuner som nå ser disse miljøene representert på ulik måte i sine nærmiljøer. Det må vi ta på alvor. alvor. Det understreker nettopp det vi debatterte grundig i forbindelse med stortingsmeldingen om kampen mot organisert kriminalitet, nemlig den brede innsatsen og det gode samarbeidet mellom offentlige organer, myndighetsorganer, kommuner og næringsliv. Ved å rette fokus mot nettopp

gjør i kampen mot énprosentmiljøene. Derfor er det også overraskende å se at man ikke i større grad bruker den kapasiteten og den ressursen Kripos er, til å bekjempe énprosentmiljøet. Det overrasket representantene fra Høyre da vi i

for å understreke at vi ønsker å benytte den kapasiteten, kunnskapen og kompetansen som Kripos besitter, i å bekjempe disse miljøene. Vi foreslår videre at vi skal styrke informant- og vitnebeskyttelsen, og det er ut fra tankevekkende eksempler fra riksadvokaten om alvorlige narkotikasaker som er trukket fra norske rettssaler av riksadvokaten, av hensyn til vitnenes sikkerhet. Vi foreslår også endringer i våpenloven, både om innførsel og registrering av plomberte våpen, og vi foreslår grep for å begrense våpenkort for medlemmer av énprosentmiljøet. Det gjør vi for å signalisere at når man har tatt et valg om å støtte énprosentmiljøet, får det en samfunnsmessig konsekvens, bl.a. ved at man ikke får lov til å ha våpen. Høyre takker for den støtten vi har opplevd i komiteen ved at vi nå får en enstemmig innstilling på to av våre forslag. Vi mener det er viktig, og det er positivt. Det kommer til å føre til gode resultater også. Mykje av kriminaliteten vi har i landet vårt, er også. Mykje av kriminaliteten vi har i landet vårt, er såkalla småkriminalitet og kvardagskriminalitet – om ein kan bruke slike omgrep – ein type lovbrot som skapar utryggheit, irritasjon, og som kostar samfunnet mykje totalt sett, men som kanskje ikkje kan definerast som alvorleg. Det som er bekymringsfullt med kriminaliteten knytt til dei såkalla einprosent MC-klubbane, er at skjer hyppigare og fleire stader, og at det såleis blir ei grovare og alvorlegare form for kriminalitet som skjer på «kvardagar» også. Vi nemnde politiet i Stavanger i interpellasjonsdebatten vi hadde i stad, og roste dei for god innsats mot overfallsvaldtekter. Også i denne saka kan vi sjå Der har dei gjennomført målretta tiltak med gode resultat. Dei har ikkje sett isolert på politiets rolle for å oppdage og oppklare MC-kriminalitet, men dei har samarbeidd med andre viktige aktørar òg. Dei peiker på forvaltingssporet, som ein kan bruke som ein del av ein større og samla innsats mot Det gjeld utlendingslova, alkohollova, plan- og bygningslova, politilova, politivedtektene, våpenlova, vegtrafikklova osv. Dei nemner kor viktig det er at kommunane har ein strategi mot dette miljøet, og eg må seie at det er særs positivt at KS har gripe fatt i dette temaet. Dette bringar meg over på eit av mange gode argument for å bevare eit sterkt nærpoliti i det langstrakte landet vårt. Det er viktig med eit godt samsvar mellom politikken som blir ført på statleg nivå, og det som skjer av tiltak på lokalt plan. Samarbeidet mellom ulike lokale aktørar mot MC-kriminalitet må somme stader bli betre, men det føreset eit lokalt politi. Sjølv om eit av dei fremste kjenneteikna på organisert kriminalitet er at han er grenseoverskridande, blir han utført i lokalsamfunn. Så vil eg gå litt nærare inn på eit av dei framlegga som komiteen står samla om, om betre vern av vitne og informantar. Det seier seg sjølv at vitne og informantar må kjenne seg trygge for at dei i den grad det er mogleg, kan vere anonyme. Om dei ikkje kan vere det, må dei få god beskyttelse. Fleire må tore å kome med tips og informasjon dersom meir av denne kriminaliteten skal bli avdekt. Det er dessverre grunn til at mange at dei som har informasjon, for reaksjonar. Eg vil til slutt vise til at våpenlovutvalget kjem til å leggje fram ei innstilling om ikkje så lang tid. Der vil vi få ei vurdering av behovet for eventuelt å endre det gjeldande lovverket. Eg vil understreke at nettopp våpenlovgiving er viktig som ein del av det vi må vere medvitne om når vi skal førebyggje alvorlege hendingar, både frå dei miljøa vi talar Men eg meiner det er rett å vente med å konkludere til vi har fått denne innstillinga og får moglegheit til å debattere ho grundig. Jeg er glad for dette initiativet fra Høyre. Det er viktig å ha gode diskusjoner om dette temaet både titt og ofte, og det er viktig å bekjempe denne typen kriminalitet. Derfor er det gøy for en som sitter utenfor komiteen og har ventet på innstillingen, og ser, når den kommer, at det er gjort så grundig arbeid i komiteen. Derfor vil jeg gi ros til dem som har jobbet spesielt med den, da også til saksordføreren. Det er viktig at denne kampen mot organisert blir prioritert, at kriminaliteten blir tatt med rota før den fester seg ute i kommunene. Derfor er forslagene som hele komiteen har gått inn for, veldig viktige. Forslaget om å ivareta informanter og vitner på en bedre måte er viktig for å ivareta sikkerheten til den enkelte som velger å stå fram. Forhåpentligvis vil det bety at flere kan stå fram. Jeg er også glad for Høyres presisering i representanten Werps innlegg, at dette gjelder 1 pst., ikke de 99 pst. andre medlemmene. Men egentlig burde vi kunne snakke om organisert kriminalitet, ikke nødvendigvis kriminelle MC-gjenger, fordi det bandene gjør, har veldig lite med motorsykler å gjøre. De har ikke tid til å kjøre rundt på Harleyen eller mekke på syklene sine. De bedriver kriminell virksomhet. Det er litt leit at ryktet til MC-klubber blir så dårlig, fordi alle lett blir satt i bås. Derfor synes jeg det er viktig at man diskuterer sånne saker og også er tydelig på å presisere det. Når Kripos betrakter dem som det best organiserte og mestvoksende kriminelle nettverket i Norge, krever det aktiv handling. Omfattende kriminell aktivitet som inkluderer alt fra narkotika, grov vold og ran til trusler osv. er noe av det mange medlemmer er dømt for. Derfor er det som sagt viktig med tiltak, Kristelig Folkeparti ønsker å støtte komiteen i de enstemmige forslagene, og også støtte forslagene nr. 1–3, fra Fremskrittspartiet og Høyre. Men vi vil ikke støtte forslagene nr. 4 og 5, fra Høyre. Det er ganske enkelt fordi vi mener at selv om man skal iverksette mange tiltak, blir det feil å iverksette tiltak som går ut på å straffe alle, ut fra medlemskap. En slik gruppetenkning mener vi er feil. Vi mener at hver enkelt bør ha individuell behandling, Da bør det også være et godt grunnlag for at de som er med i kriminell virksomhet, får avslag på en våpensøknad. Jeg stiller meg spørsmål om hvordan man skal holde kontroll på hvem som er våpensøknad. Jeg stiller meg spørsmål om hvordan man skal holde kontroll på hvem som er medlem. Selv om det selvsagt er god overvåking av disse miljøene, er det likevel en skepsis til det. Jeg ser at det kommer en gjennomgang av hele våpenloven senere i år, og derfor tenker jeg at i den sammenheng kan en eventuelt gå inn på det. Men vårt syn er at det ikke er riktig å gjennomføre en straff på grunnlag av medlemskap, fordi alle fortjener en individuell behandling. Jeg har tidligere jobbet som advokat i seks år og har sett denne organiserte kriminaliteten på nært hold. Det er en ekstrem, brutal virkelighet som finnes inne i de organiserte kriminelle gruppene. Det er ekstremt vanskelige saker å få oversikt over, ikke bare for forsvarerne, men også for politiet og etterforskerne. Selv erfarne etterforskere sliter med dette. Det er ressurskrevende, det er innfløkt, det er mye trusler, det er mye lukkede miljøer, og det er vanskelig å gå inn i dette. Det er ikke noen tvil om det som har kommet fram her i salen, at Kripos mye samlet kompetanse på dette feltet, både når det gjelder ulike metoder som er utviklet, og når det gjelder mannskap, systematikk og de erfaringene de har på dette feltet. De må kunne brukes mye mer enn det som gjøres i dag. Vi vet at det er noen grupper som står for store mengder kriminalitet. De er ikke så mange i antall, men likevel, selv med det antallet de utgjør, klarer de å utføre store mengder kriminalitet. Det gjelder alt fra alvorlig narkotikakriminalitet, trusler, utpressing, ulovlige våpen, svindel og – i sin ytterste konsekvens – drap. Bare for å nevne noen eksempler med narkotika: Dette er utrolig vanskelige saker å oppklare, fordi de krever langvarig etterforskning, med bl.a. telefonavlytting. Det kan være flere tusen samtaler som blir avlyttet, og som må puttes inn i en systematikk for at man skal kunne klare å gjøre noe med dette. dette. Da ble jeg litt overrasket da representanten fra Arbeiderpartiet, Jan Bøhler, sa at de jo egentlig er enig i forslagene her, men de velger likevel ikke å være så offensive. Da flytter man jo samtidig makten fra denne salen og over til regjeringskontorene. Det er egentlig regjeringspartirepresentantene som har skylden for at man med det også undergraver Stortingets rolle. Jeg skulle ønske man kunne være like offensiv som medlemmene fra Fremskrittspartiet og Høyre i deres forslag her. Vi kommer til å stemme for de tre forslagene som er fremmet av Fremskrittspartiet og Høyre. Det første går på å forsterke den operative kapasiteten til Kripos, bl.a. ved at de får egen spaningsavdeling. Forslag nr. 2 går på strengere regulering av import og overdragelse av plomberte våpen, og Når det gjelder forslagene nr. 4 og 5, fra Høyre, er jeg enig med sistnevnte taler. De kommer vi til å stemme imot. imot. Innledningsvis vil jeg bemerke at den organiserte kriminaliteten forekommer i ulike former og representerer store og til dels nye utfordringer for norsk politi. Kriminalitetsutviklingen de senere år viser at den organiserte delen av kriminaliteten er i vekst, noe som understreker at innsatsen må intensiveres. intensiveres. For regjeringen er en helhetlig innsats mot den organiserte kriminaliteten et viktig kriminalpolitisk satsingsområde. Dette ble understreket i meldingen om organisert kriminalitet fra desember 2010. Meldingen representerte en overordnet strategi for hvordan utfordringene knyttet til den organiserte kriminaliteten kan møtes gjennom anvisning på prioriteringer og oppfølgingsområder. Den etterfølgende behandlingen, både gjennom en særskilt høring i justiskomiteen og i plenumsbehandlingen, ga Stortinget en bred tilslutning til hovedlinjene i regjeringens kriminalpolitiske tilnæring. Stortinget sluttet opp om de forslag til tiltak og strategier mot organisert kriminalitet som er omtalt i meldingen. Dette gjelder også innsatsen mot kriminalitet som knytter seg til medlemmer i de såkalte Viktig i denne sammenheng er det å redusere rekrutteringen til gjengene og forhindre etableringen av nye gjenger. Arbeidet med å implementere tiltakene er i gang. Mange av forslagene som fremmes i representantforslaget, er derfor i ferd med å bli implementert eller vurdert, enten som ledd i oppfølgingen av meldingen eller som ledd i andre, pågående arbeider. Dette er fulgt opp ikke minst gjennom Politidirektoratets handlingsplan mot MC-kriminalitet, som danner normen for politiets operative virksomhet på dette området. Til I i forslaget: I meldingen understrekes det at det er av stor betydning at politiet innleder og utvikler et nært samarbeid med andre relevante aktører. Dette gjelder bl.a. samarbeid med andre offentlige kontrolletater med ansvar for å avdekke ulike former for lovbrudd. Justisdepartementet har derfor pålagt Politidirektoratet å instruere politidistriktene om å forsterke sitt samarbeid med regionale og lokale kontrolletater, tollvesen, skatte- og avgiftsmyndigheter samt Nav. Kommunene er en sentral aktør i arbeidet med å forebygge og avdekke kriminalitet begått av medlemmer i de aktuelle MC-klubbene. Tidligere justisminister Knut Storberget har i den forbindelse pekt på at det er behov for å utarbeide en veileder for kommunene når de skal gjøre en innsats på dette området. Justisdepartementet har derfor, sammen med KRÅD, nedsatt en arbeidsgruppe med mandat til å utrede en slik veileder. Politidirektoratet trekkes også inn i arbeidet.

og politiets forbindelsesledd med utlandet. Kripos har også spisskompetanse innen kriminelle MC-gjenger. Og som ledd i sitt fagansvar og sin etterretningsfunksjon holder Kripos politidistriktene løpende orientert om kriminalitetsutviklingen knyttet til kriminelle MC-gjenger. Når det gjelder III i forslaget, om beskyttelse av kilder og vitner, er det et viktig tiltak for å lykkes i kampen det et viktig tiltak for å lykkes i kampen mot organisert kriminalitet. Som ledd i oppfølgingen av NOU 2009:15, Skjult informasjon – åpen kontroll, vil departementet foreslå lovendringer som gir et bedre vern til kilder og informanter, samtidig som hensynet til et effektivt forsvar ivaretas. Utvalgets omfattende forslag har vært på høring, og departementet vil fremme en proposisjon henimot Som denne gjennomgangen har vist, er det allerede på gang arbeider som berører de tiltakene som ble fremmet i representantforslaget. Jeg kan også vise til at jeg førstkommende mandag mottar forslaget fra Våpenlovutvalget, som også har hatt som mandat å adressere de forhold som

Politidirektoratet utarbeidet en meget god plan, Politiets bekjempelse av kriminelle MC-gjenger i perioden 2011 til 2015, som jeg har her. For en vanlig mann kan det virke som om politiet rundt om i landet har en forskjellig type tilnærming til hvordan man skal motvirke disse miljøene. miljøene. Det synes jeg er bekymringsfullt, nettopp fordi man har denne felles planen, som alle distrikter bør følge. Deler statsråden min bekymring, og hvordan vil statsråden sikre seg at alle politidistriktene har den samme tilnærmingen til disse miljøene?

nærmest ved siden av og så at festen foregikk. Det var altså en betydelig grad av forskjell i politiets behandling av dette, noe som gir et ulikt inntrykk når man ser dette utenfra. Det er ikke sikkert det er heldig. Så mitt spørsmål er for så vidt i samme gate som spørsmålet til foregående replikant: justisministeren behovet for å koordinere virkemiddelbruk bedre i forhold til politiets innsats? Jeg tar samtidig opp Høyres forslag nr. 4 og nr. 5 fra innstillingen. Representanten Anders B. Werp har tatt opp de forslag han refererte til. Det må ikke herske noen tvil om at jeg vurderer denne kriminaliteten til å være meget alvorlig, at innsatsen mot organisert kriminalitet må være sterk, og må forsterkes, at Kripos har en helt sentral rolle i dette, og at deres samarbeid også med politidistriktene er sentralt. Jeg kjenner ikke til bakgrunnen for hvorfor de ulike arrangementene har utløst ulik tilnærming fra de respektive politikamrene. Men når vi både har tatt til orde for et arbeid med en veileder til kommunene og vi har gitt Kripos denne sentrale rollen i å sikre informasjon om hvilken kriminalitet vi står overfor, og hvilke

Jeg er veldig glad for at regjeringen tar den organiserte kriminaliteten generelt på alvor, men at man også har fokus på MC-kriminaliteten, slik statsråden har redegjort for. Handlingsplanen for bekjempelse av kriminelle MC-gjenger ser ut til å være et godt verktøy, og inntrykket er at både Kripos og politidistriktene tar dette arbeidet alvorlig. Jeg er også glad for den tverrpolitiske enigheten, og vil benytte anledningen til å berømme Høyres representant i justiskomiteen, Anders Werp, for hans engasjement. Det er mange som har mye å lære av hans uredde innsats og konkrete erfaringer som tidligere ordfører i en kommune som har fått føle dette med MC-kriminaliteten på kroppen, bokstavelig talt. Hells Angels, Bandidos, Outlaws og andre MC-klubber med tilknytning til kriminalitet er det vi kaller énprosentklubber. De rekrutterer medlemmer og MC-klubber rundt i landet som støtteklubber, og får slik gradvis tilgang på folk som er villig til å begå kriminelle handlinger for dem. I dette bildet er det viktig å understreke at de aller fleste MC-klubbene er lovlige klubber, med lovlydige MC-entusiaster som kun har til hensikt å dyrke sin lidenskap – nemlig motorsykkel og vennskap. Det må vi ha med oss. Men vi må heller ikke være naive, og jeg oppfordrer lokale myndigheter til å følge godt med på utviklingen i sine kommuner. Det er det all grunn til. Jeg mener òg at de lovlydige MC-folkene må ha øyne og ører åpne for eventuelle uregelmessigheter innad i miljøet. De er ofte de første som kan få mistanke om at noe ulovlig er på gang. Blir dette slått ned på i miljøene, vil forhåpentligvis det i seg forebygge rekruttering inn i de kriminelle MC-miljøene. KS har tatt utviklingen alvorlig, og med dette, sammen med veilederen som tidligere justisminister Knut Storberget har tatt initiativ til for kommunene, tror jeg at man mye bedre også i framtida kan klare å ta viktige grep for å bekjempe MC-kriminaliteten i

har fungert som mikrofonstativ for enkelte av disse. Om personene der virket som typiske søndagsskolepersoner, vet jeg veldig lite om – jeg har kanskje ikke frekventert søndagsskolen like mye som presidenten og enkelte andre i salen her – men det virket i hvert fall som om de var relativt uskyldige i sin virksomhet, der de sto. Maken til koseinnslag i en av landets tv-kanaler har jeg aldri sett i forhold til noen av de mest brutale miljøene vi finner. Vi kan ikke akkurat instruere media, men hvis det vi finner. Vi kan ikke akkurat instruere media, men hvis det er noen medier som orket å følge med på denne debatten, kunne en kanskje ønske at de foretok litt bedre kildesøk, research, for å lage den type innslag. Men det sier litt om hvilke bevisste strategier disse miljøene har. De har spisskompetanse på mediestrategi, på økonomi, på jus. Det er det kommunene møter – så jeg er glad for at man utarbeider en veileder, for her sitter det små kommuner som vil spilles ut mot i forhold til etablering. Anders Werp har altså selv, sammen med sin kommune, bekjempet disse miljøene. Det har vært en årelang kamp. Hvis vi skal ha noen som helst tanke om nulltoleranse mot noe, er vi i alle fall nødt til ikke å være naive. Om vi ikke skal kjeppjage dem, skal vi i alle fall bruke enhver tenkelig demokratisk mulighet til å hindre at de får fotfeste. Spørsmålet er, som representanten Werp var inne på: Hvorfor velger man i det hele tatt bevisst å bli medlem av en klubb og et miljø som dedikerer seg hovedsakelig til kriminalitet? Det er ikke kriminalitet som er hovedformålet for de aller fleste motorsykkelklubber, men i de vi snakker om, er det kriminaliteten som er det som binder sammen og ikke motorsykkelen. Samtidig ser vi en vekst i Norge, vi ser en vekst i Europa, vi ser en vekst i verden noe som er bekymringsfullt. Når vi nå er midt i en finanskrise, er den oppblomstringen av ekstreme og nasjonalistiske holdninger vi ser, grobunn og rekrutteringsgrunnlag for noen av disse miljøene fremover ved at unge, frustrerte, sinte menn som ønsker å få en styrke, som føler seg utstøtt av samfunnet, lettere kan rekrutteres til kriminelle handlinger miljøene. Det er et paradoks at Kripos understreker alvoret. Enkelte kommuner gjør alt de kan, mens man her i Oslo så at politiet, på grunn av ressurssituasjonen, lot det være – med hensyn til at man brøt skjenkereglene. Det gir et signal fra samfunnet om at bare man får kjørt samfunnet nok, gir samfunnet etter. Derfor er vi helt avhengige av at vi står sammen om den strategien vi ble enige om da vi behandlet stortingsmeldingen, at vi her må bekjempe disse miljøene, antidemokratiske kreftene, med alle tenkelige metoder og ressurser innen demokratiets rammer. Det var bare en merknad som gjelder at det her i salen er bred enighet om at vi skal være offensive og stå sammen om mest mulig. Jeg pekte på at det var en uklarhet mellom at Fremskrittspartiet i merknaden hadde gått inn for å avvente forslagene som angikk Våpenlovutvalget, mens de i forslagene står inne for dem. Jeg uttrykte selv at vi er positive til intensjonen i dem, og statsråden fortalte at Våpenlovutvalgets forslag kommer nå på mandag. mandag. Det har utredet de spørsmålene som ligger i de to forslagene, og vi vil kunne få mer detaljerte, presise forslag hit til Stortinget. Så jeg vil anmode om – og jeg har samrådd meg med forslagsstillerne rundt dette – å omgjøre forslagene nr. 2 og nr. 3 til oversendelsesforslag. Da vil vi støtte det.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

Som det framgår av forslaget, viser forslagsstillerne til at klarering av rettigheter på tvers av landegrensene representerer en stor utfordring når det gjelder tilgjengeliggjøring av allerede produsert innhold. Rettighetsklareringen er i dag den største proppen i systemet for å få til et framtidsrettet felles tilbud for Det er også slik at en enstemmig komité ser klare forbruker- og kulturmessige gevinster ved å få på plass en slik klarering, og stiller seg derfor positiv til en utredning, slik forslagsstillerne tar til orde for. Komiteen har også vært enig om å påpeke at opphavsrettigheter også er å anse som eiendom, og at det derfor er viktig at en slik utredning ikke på noe vis krenker rettighetshaverne, slik at disse kan risikere å bli økonomisk skadelidende ved en slik ordning. Komiteen mener at det er fornuftig å begrense et slikt forslag til å gjelde Sverige og Danmark, som det er naturlig å ha et felles mediemarked med. Så langt er alt vel. Så er det litt forunderlig at når vi kommer fram til selve innstillingen, hopper de rød-grønne partiene av lasset, mens mindretallet, bestående av Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti, tar opp det forslaget som referert i innstillingen. De rød-grønne partiene har ikke med et eneste ord og et eneste komma skrevet en begrunnelse for hvorfor de ønsker å vedlegge saken protokollen og ikke gå inn for forslaget, når de er helt enig i alt som er av merknader i saken. Men det antar jeg at de, i den grad det er mulig, kommer til å redegjøre for

når vi kommer til hvilken tilråding vi skal gi overfor Stortinget. Jeg skal forsøke å svare på den utfordringen som jeg fikk fra saksordføreren i saken. Statsråden påpeker i sitt brev til komiteen at hun i Nordisk Ministerråd har tatt opp spørsmålet om gjensidig godkjenning av de nordiske lands avtalelisensordninger for klarering av åndsverk. Spørsmålet er videre forelagt de nordiske lands departementer med ansvar for opphavsrett. Som en del av et hele må en gjensidig godkjenningsordning også vurderes i forhold til EU-retten. Men arbeidet i saken er startet, og derfor ser ikke vi som representerer flertallet, at det er noen vits i å gi arbeidsordren på nytt. Arbeidet er i gang, og det vil bli godt ivaretatt i de prosessene som allerede er igangsatt. Det er hyggelig å konstatere at dette er jeg for så vidt også forventet at det ville være, for det er jo ikke en sak som – hva skal jeg si – man burde ha noen grunn til å være imot. Det å få til et bedre klareringssystem på tvers av grensene, det være seg i Norden eller i Europa, har vært et tema lenge både i de fagmiljøene som jobber med dette, og innenfor medieområdet. Innenfor EU-området har man hatt prosesser på dette, men jeg tror faktisk at vi i Norden vil kunne peke ut en kurs for hvordan dette kan håndteres. For juridisk sett er det ikke så enkelt, og innenfor EU strever man med å finne gode modeller for hvordan man kan gjøre det. I det nordiske har vi allerede etablert avtalelisensordningene, og det er et utgangspunkt for å jobbe videre. Dersom vi kunne finne frem til gode modeller, gjerne i samarbeid med rettighetsorganisasjonene, tror jeg faktisk at vi her oppe i nord kunne vise vei i EU-sammenheng, noe som ville være av veldig stor betydning. betydning. Kanskje er det også sånn at hvis man ikke når i land innenfor det tradisjonelle nordiske samarbeidet, så vil dette være et tema man burde søke å finne en løsning på bilateralt, kanskje med Danmark og Sverige. Bare det ville være en stor vinning. Det er klart at innenfor medieområdet, filmområdet – og bokområdet, for den saks skyld – er vi i et beslektet

å finne løsninger som strekker seg lenger enn den nasjonale grensen. Men også hvis man ser på bevegelsen innenfor mediemarkedet, ser man at det er ganske store eierskap som nå etablerer seg skandinavisk eller nordisk. Innenfor avisområdet og innenfor tv-området er det samtaler på tvers av grensene.

men svakheten er at de felles offentlige rom ikke er mange. Skavlan på fredagskvelden er det gode eksemplet på et godt fungerende felles offentlig rom og antagelig et program som i sin flate representerer noe av det beste vi ser når det gjelder å få til integrering i Norden. Hadde vi hatt et bedre utgangspunkt for rettighetsklarering, ville hele prosessen rundt det å skape

inntekter som er svært kjærkomment sett i lys av de statistikker vi har som forteller noe om kunstneres inntekter. Jeg setter pris på det initiativet som regjeringen signaliserer å ha tatt. Vårt forslag bør ses på som et uttrykk for utålmodighet, og vi kommer til å forfølge dette fremover. Men utålmodigheten er viktig, for den teknologiske utviklingen går enormt fort, og vi ligger etter når det gjelder å kunne nyttiggjøre oss det denne utviklingen ellers burde gi oss muligheten til. Med det som bakgrunn ser jeg frem til å høre statsrådens innlegg om dette.
var for så vidt en felles norsk utålmodighet som gjorde seg gjeldende på forrige møte i Nordisk Råd. Det skyldes vel at det er stor interesse for dette i alle de nordiske landene, men interessen er kanskje størst i Norge. Det henger sammen med at vi har Bokhylla under Nasjonalbiblioteket, og det er tanken at vi skal kunne utnytte dette på et felles nordisk plan, hvor vi kan godkjenne hverandres avtalelisenser. Så jeg er helt enig med forslagsstillerne i at det er viktig med opphavsrettslig klarering over landegrensene for at borgerne i Norden skal få tilgang til vår felles kulturarv. Jeg har, som over en del år. For det første har jeg tatt det opp i Nordisk Ministerråd ved to anledninger, og det vil også, hvis vi har kommet videre i arbeidet, være gjenstand for drøfting på neste møte i Nordisk Ministerråd, som skal være her i Oslo. Da har vi også muligheten til å vise de andre nordiske landene hva vi har fått til i Norge, selv om det selvfølgelig også er et forbedringspotensial i Norge knyttet til Bokhylla. Men vi har kommet ganske langt, slik at vi kan lese bøker på nettet. Det som forslaget mitt i Nordisk Ministerråd gikk ut på, gjaldt i første rekke biblioteksektoren, basert på Bokhylla, som Nasjonalbiblioteket står bak i samarbeid med norske rettighetshavere. Men digitalisering av kulturarven finnes, som representanten var inne på, både i bibliotek, i arkiver og museer og i allmennkringkasternes arkiver. Det er også høyt prioritert i veldig mange av de nordiske landene. Det er jo nettopp dette med digitalisering som av våre mest besøkte kulturarenaer, nettopp fordi man kan lete i gamle kirkebøker og i gamle folketellinger på nettet. De har like mange besøkende som det teatrene våre har, og det var i utgangspunktet en institusjon som hadde veldig få besøkende. Digitalisering gjør jo at vi åpner kulturinstitusjonene våre. I den forbindelse reiste jeg spørsmålet om hvordan man kunne opparbeide en nordisk avtale med gjensidig godkjenning av ulike lands avtalelisenser, slik at denne kulturarven kan gjøres tilgjengelig på tvers av de nordiske grensene. Det er et viktig spørsmål som berører ikke bare landene i Norden, men også forholdet til EØS-retten. Spørsmålet berører direkte EUs forslag til et såkalt hitteverkdirektiv. Dette direktivforslaget tar sikte på å finne en løsning på hvordan man best kan klarere verk der det ikke er kjent opphavsmann, også over landegrensene. Jeg mener at den nordiske avtalemodellen passer veldig godt til slik klarering. Arbeidet med EUs hitteverkdirektiv pågår fortsatt i EUs egne organer, og i samarbeid med de øvrige EFTA-landene er vi i gang med å utarbeide vår kommentar til dette direktivforslaget. Også andre EU-forslag kan få betydning for spørsmålet, f.eks. grønnboken om distribusjon av audiovisuelle verk på Forslagsstillerne ber om en utredning av spørsmålet om klarering over landegrensene. Jeg kan glede dem med å svare at arbeidet allerede er i gang på nordisk nivå. På opphavsrettens område er det et godt samarbeid på embetsnivå mellom de ulike nordiske departementene. Denne uformelle ekspertgruppen har fått i oppdrag av Nordisk Råds embetskomité for kultur å vurdere mitt forslag i forhold til EU-retten, og skal komme tilbake med svar i

som håndterer avtalelisensordningene. Jeg lurer på om statsråden kunne tenke seg, eller har tenkt på, å involvere disse i arbeidet framover, for vi er avhengig av deres goodwill for den videre utviklingen på dette området. Det er jo absolutt aktører som vi må involvere, hvis vi skal få til avtaler på Det er jo også et spørsmål om dette med digital formidling i det neste representantforslaget som blir lagt fram. Vi har nettopp fått forhandlet fram slike avtaler med de ansatte i Operaen og i de filharmoniske orkestrene. Det er jo klart at vi må ha avtaler med opphavsmennene og rettighetshaverne for å få gjennomslag for en større grad av distribuering av denne type rettigheter.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

plass for også å kunne formidle kulturbegivenheter digitalt ut til folket. Med et slikt utgangspunkt støtter en enstemmig komité intensjonen i forslaget. Det offentlige bruker svært mye penger til ulike kulturformål, og mer skal det bli. Målsettingen om at 1 pst. av statsbudsjettet skal gå til kulturformål innen 2014, står fast, noe som også årets budsjettforslag dokumenterer.

på. Digital formidling av konserter og andre typer forestillinger fra de store kulturarenaer er i så henseende et svært interessant tiltak, noe som også komiteen i sin helhet stiller seg bak. Det er også interessant å merke seg at komiteen er tydelig på at institusjoner og tiltak som får tilskudd fra Kulturdepartementet, må arbeide aktivt for å nå fram til et så bredt og mangfoldig publikum som mulig. Digital formidling er her et stikkord. mulig. Digital formidling er her et stikkord. Digital formidling av f.eks. opera fra det store utland er allerede stor butikk ute i den store verden, som også kommer oss her i landet til gode. Om vi møter opp på Gimle eller Ringen kino her i Oslo på lørdag kl. 18.30, kan vi overvære operaen Rodelinda direktesendt fra The Metropolitan i New York. Med disse mulighetene er det ikke vanskelig å forstå at forslagsstillerne er utålmodige, og at man argumenterer sterkt for å komme raskt i gang, Norge vil ha mer, ikke bare til befolkningen i Oslo, men til befolkningen i hele Norge. en representant fra regjeringspartiene eller en representant for Distrikts-Norge – det er ingen ting som vil glede meg mer enn at innbyggerne i mitt hjemfylke kunne ta på seg penklærne og penskoene og dra på sin lokale kino for å kunne overvære en ballett eller operaforestilling fra vårt praktfulle operabygg i Bjørvika, eller se teaterforestillingen Vildanden fra Nationaltheatret. Regjeringen tar forslaget på alvor, men ønsker å se tiltak i en sammenheng. sammenheng. Departementet arbeider for tiden med en stortingsmelding om kultur, inkludering og deltakelse. Digital formidling av utøvende kunst vil få sin selvfølgelige plass i meldingen, sammen med mange andre gode forslag. Vi ser fram til at meldingen snart er ferdig, fordi dette er en viktig sak. Det er også dette som skiller komiteen når det

besøkstallet ved sin kino. Dette med digitalisering har vært positivt. Denne tilretteleggingen gjør bl.a. at det er mulig å overføre forestillinger og konserter fra store kulturarenaer til kinoer over hele landet. Det antas at det i dag ikke er problematisk for norske teatre, Operaen eller orkestre å produsere for digital formidling til det brede publikum. Det gir store muligheter, ikke bare til formidling til nye publikumsgrupper – det må da være svært ønskelig for alle å komme i gang med arbeidet for digital formidling også for utøvende kunstarter. Institusjoner og tiltak som får tildelt tilskudd fra Kulturdepartementet, må jobbe aktivt og være aktive for å nå fram til et så bredt og mangfoldig publikum som mulig. Derfor haster det med å komme i gang, etter min mening. Innenfor musikk- og scenekunstfeltet ligger store muligheter for å oppnå en slik målsetting. Det er en sterk utvikling når det gjelder digital formidling av levende framføring, både direkte og i redigert produksjon.

Regjeringen bør allerede nå gi tydelige signaler om hvilke grep man har tenkt å ta. Det er riktignok flotte ord fra saksordføreren om hvor fantastisk dette er, men gi nå de signaler som bør gis til de store kulturinstitusjonene. De arbeider svært langsiktig når det gjelder investering av teknisk utstyr, så de ønsker å få disse signalene nå. Det er viktig å komme i gang, slik at noen bygger erfaring og kompetanse også på dette digitale formidlingsfeltet. I den sammenheng vil det være formålstjenlig med pilotprosjekter. Der er det allerede store organisasjoner som har meldt sin interesse, som f.eks. Nationaltheatret. Digital formidling er også tema innenfor det nordiske samarbeidet, som noen har vært innom i en tidligere sak. sak. Derfor bør vi komme i gang. Jeg vil understreke den positive effekten det kunne gi dersom produksjoner også fra nordiske land ville være tilgjengelig for et felles nordisk publikum. Institusjonene ville være tjent med at vi kommer i gang, og ikke minst folk flest rundt omkring i hele landet. Neste taler er representanten Olemic Thommessen. Før Olemic Thommessen får ordet: Presidenten tror at representanten Ib Thomsen skulle ta opp et forslag? – Det nikkes, og da har representanten Ib Thomsen tatt opp det forslag han i hvert fall har nikket til. Hvis ikke kan jeg ta det opp.

forestillinger. Vi ser eksempler på NRK2s Hovedscenen på søndager, hvor det har vært fine eksempler på overføringer av viktige kulturarrangementer fra andre steder i landet, f.eks. åpningen av Terningen Arena på Elverum, som var et viktig arrangement på Elverum, et påkostet arrangement med mye offentlige midler, men som ble gjort tilgjengelig for et alminnelig publikum. Det som er noe av det flotte, er at det bygges opp en kunnskap som gjør at denne typen formidling blir severdig. Det har vært et problem tidligere. Tv-produksjoner, eller digitale produksjoner som vi kanskje skal kalle det her, har tidligere medført en helt annen treghet, og virkeligheten har vært vanskelig å kombinere med det som vi forbinder med direkte overføring. Derfor hadde det vært kjempeviktig å få til et «slagskip», som kunne brøytet litt vei i Norge. Da er det Nationaltheatret, som representanten Thomsen nevnte, eller Operaen som ligger slik til at det ville vært naturlig å tenke i den retningen. Hvis vi hadde hatt en pilot som kunne ha gjort disse forsøkene og bygd opp en mer systematisk tilnærming til det, ville vi kunne hatt en kompetanse som selvfølgelig burde vært tilgjengelig for et mye bredere nedslagsfelt av arrangementer og forestillinger. Ikke enhver forestilling og ikke ethvert arrangement er egnet til det, men svært mange er det. Det reiser også interessante debatter når det gjelder utviklingen av kinoen, fordi kinoen plutselig blir arena for en ny type sendinger eller en ny type visninger. I dag er det slik at Metropolitan sender sine visninger til kun et veldig begrenset antall kinoer, og at det betales ekstra for det rettighetsmessig. For ikke mange ukene siden var det en stor overføring fra Royal Albert Hall av 25-årsjubileumsmarkeringen for «The Phantom of the Opera». Det ble også overført – tror jeg – til seks kinoer i Norge, hvor det var en spesiell økonomi knyttet til dette. Jeg vet ikke hva som er godt, og hva som ikke er så heldig når det gjelder hvordan man skal organisere slike ting. Men norske kinoer er jo godt organisert, og det ville vært veldig interessant å få til en debatt rundt spørsmålet om tilgjengelighet og kinoens utviklingspotensial, sett i lys av denne type transformasjoner. Et annet perspektiv rundt dette ligger også i en type sending som ville ligge et sted imellom det vi forbinder med kino, og det vi forbinder med tv. Vi har jo hatt debatter om en nordisk kulturkanal på tv. Utviklingen på det området har ikke gått så veldig bra, rett og slett fordi allmennkringkastingsselskapene i Norden ikke akkurat har vært de mest samarbeidsinteresserte i den sammenheng. Men med utbygging av et godt fiberoptisk nett, med stor kapasitet når det gjelder bildetransformasjon, kunne man faktisk tenke seg en mer systematisk og programstyrt formidling av store arrangementer og forestillinger i Norden, altså en slags nettype av hovedscenen, og gjennom det skape en formidlingsmulighet ved siden av public service-selskapene, som faktisk også kunne bidra til et veldig bra nedslagsfelt for produksjoner. Hvis vi tenker på hvor store ressurser som samlet brukes på de nordiske – skal vi si – hovedscenene innenfor musikk, altså filharmoniene, ville vi si, eller de store nasjonale scenene eller operaene, er det enormt mange penger som brukes. De ville kunne komme et større publikum til gode. Men først og fremst dreier altså dette seg om å bygge opp teknisk kompetanse, erfaring med teknikk og erfaring med den type klipping og redigering som må skje nesten spontant i denne typen overføringer. Vi har gode tilløp, og det ville vært spennende hvis vi i Norge kunne få til en mer systematisk bearbeidelse av dette.
Norge trenger vi ikke bare noe å leve av, men også noe å leve for.» Det er et slagord som passer fint i mange sammenhenger. Kultur er et velferdsgode i Norge som alle skal ha rett på. Det er en hjertesak for SV at alle i Norge skal kunne få ta del i Kulturløftet, uavhengig av geografi, funksjonshemning osv., og dette er jo en sak som i aller høyeste grad handler om det. Som flere har vært inne på før meg, gir jo den digitale teknologien uante nye muligheter for at flere kan få oppleve kultur, og ikke minst gir det muligheter til å formidle sjangere til publikumsgrupper som kanskje ikke trodde at den sjangeren var noe for dem. Flere har nevnt det som er det mest kjente eksemplet, nemlig Metropolitan Opera i New York, som har overbevist mang en operaskeptiker rundt omkring i landet. Samtidig synes jeg det er litt viktig å huske på i denne sammenhengen at samspill mellom scene og publikum ikke alltid kan overføres til en og at digital distribusjon ikke er noen erstatning for den opplevelsen det faktisk er f.eks. å gå i teatret, men at det gir muligheter. Det gir ikke minst muligheter til både teksting og tolking til døve og synshemmede. Dette er jo et tema som vil bli behandlet i den stortingsmeldingen som kommer om kultur, sosial inkludering og som jeg tror vil være en riktig ramme for diskusjonen rundt disse spørsmålene. Det er

disse spørsmålene. Det er et overordnet mål for regjeringen at flere skal få tilgang til kulturopplevelser, men den nye teknologien gjør at vi også kan få inspirasjon til å oppsøke nye kulturarenaer som vi kanskje ikke har oppsøkt tidligere. Det vi tenker på når det gjelder digital distribusjon, er nettopp muligheten til å sende store forestillinger ut til landets kinoer, slik at flere kan få ta del i en forestilling enn de som sitter i salen. Det er ikke det samme som å sitte i en sal, men det gir en helt annen opplevelse å sitte i en kinosal enn å sitte og se en tilsvarende forestilling hjemme, på tv. Det er jo nettopp derfor vi har gått inn for bl.a. å digitalisere kinoene, noe som gjør dette langt enklere. Vi har også gått inn og kjøpt opp rettigheter til en del kunstnergrupper, bl.a. de ansatte i Operaen og de filharmoniske orkestrene, for å kunne distribuere det de produserer, digitalt. Til nå har vi ikke tilsvarende kjøpt ut rettigheter for dem på scenekunstinstitusjonene, men det kan jo hende at vi skal se i den retning i årene som kommer. Dette er også en problemstilling knyttet til veldig mye tv-drama. Det er veldig mye flott tv-drama som finnes på NRK. Jeg skulle ønske at det var flere repriser på en god del av de beste seriene, men på grunn av rettigheter til kunstnerne, som man ikke har kjøpe ut, er det rett og slett for dyrt å sende repriser. Dette er et område vi må satse på i tiden som kommer. Det er også en av grunnene til at i stortingsmelding om sosial inkludering og deltakelse vil digitalisering bli sett på som et viktig virkemiddel i dette arbeidet. Det er viktig for oss at institusjonene selv også prioriterer digital formidling innenfor de budsjettrammene de har, og det må videre også forutsettes at en eventuell plan for digital formidling av utøvende kunst må utvikles og foreslås av institusjonene selv, og ikke av regjeringen. Men jeg er jo kjent med at flere har den typen planer, bl.a. Nationaltheatret og Den Norske Opera, og vi skal vurdere om det kan være mulighet for å støtte noen av disse tiltakene. Én ting er å ønske det, men det krever en del midler å formidle dette digitalt på en god måte. de beste forestillingene i Operaen er det mange kameraer. Det er et stort produksjonsapparat i gang for å få distribuert dette digitalt, slik at det blir en god opplevelse for dem som sitter på kinoen i Trondheim eller andre steder i landet og ser på det. Derfor krever det noe penger, og det vil vi vurdere i forbindelse med stortingsmeldingen om sosial inkludering. Det blir replikkordskifte. Først vil jeg takke statsråden for det signalet som jeg opplevde hun ga med hensyn til det å vurdere piloter, å støtte opp under initiativer – la oss kalle det det – i Operaen eller på Nationaltheatret, f.eks., som jo har helt konkrete planer om dette. Det signalet sparer meg for å spørre om akkurat det. Det andre jeg kunne tenke meg å spørre om, er i hvilken grad statsråden tenker seg å involvere de kommunale kinematografene og NRK, for NRK sitter på en del kompetanse her. NRK har gjort overføringer til Hovedscenen, som riktignok er et annet format i tommer, men som teknisk sett er mye av det samme. De kommunale kinematografene sitter på et stort apparat, og det reiser seg også en del rettighetsspørsmål knyttet til hvem som skal få sende, rettighetsspørsmål knyttet til omfanget – kort og godt: Hvordan tenker man seg å involvere Det er jo slik at 50 kinoer allerede har sagt seg villig til å delta i dette prøveprosjektet jeg tidligere informerte om, så det er veldig stor interesse blant de kommunale kinematografene om å delta i dette digitaliseringsarbeidet. Man har gode allerede å vise til når det gjelder overføringen av det som skjer i New York, til en kino i Oslo, så veldig mange er interessert i å få til tilsvarende ordninger. Når vi skal sette opp store forestillinger i framtiden, enten det er åpning av kulturinstitusjoner, eller det er andre er det nå – uten at jeg kan gå inn i de enkelte avtaler som nå gjøres – veldig mange som er interessert, og som spør: Kan vi sette opp dette på kinoen her? Kan vi sette opp denne oppføringen her? Jeg vet at det er mange slike planer, jeg vet at det krever en del investeringer, men hvilke planer om hvilke prosjekter som etter hvert kan komme på kino, har jeg ikke anledning til å gå inn i i denne sammenheng. Det er mange positive ord, både fra statsråden, fra saksordføreren og fra regjeringspartiene, om å nå ut til hele landet og være med på å utvikle kulturen – meget gode signaler, rørende signaler. En liten skepsis som jeg hørte fra regjeringspartiene, var at man liksom ikke får den samme følelsen av å sitte i salen ved å overføre digitalt. Det kan alle være enig i, men allikevel er det et positivt tiltak for å nå hele landet – hvis man mener noe med det. Spørsmålet mitt til statsråden går på dette med å komme i gang med et prøveprosjekt. Man venter på en melding. Men har man behov for å vente på en melding for å komme i gang med prøveprosjektet, for å vise om dette i det hele tatt går, om det er verdt å bruke penger på, om det er verdt å bruke tid på? Hvor lenge må vi vente for å få i gang dette prøveprosjektet? Og hvorfor er man ikke villig til det? Jeg takker for at representanten synes jeg er rørende – det vil jeg ta med meg i det videre arbeidet. Så vil vi vurdere søknaden fra disse scenekunstinstitusjonene i løpet av et par måneder. Replikkordskiftet er dermed omme. Flere har ikke bedt om ordet til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

Det er jo en debatt som angår veldig mange, fordi en veldig stor del av den norske befolkningen deltar i frivillig arbeid, og det bidrar også betydelig til samfunnet, både økonomisk og menneskelig. Det er en enstemmig komité som stiller seg bak tanken om at et sterkt frivillig engasjement har en viktig egenverdi, og at det også bidrar til andre viktige områder, som inkludering, sosial utjevning, folkehelse og utvikling av lokalsamfunn. Men som man kan se av merknadene i saken, er det ikke alle forslagene man ønsker å stemme for. Det vil jeg komme tilbake til senere. Vanligvis er det slik at det regjeringsflertallet som mitt parti er del av, får kritikk for at man går for langt i å ønske man har forslag og tanker som man mener familier eller enkeltpersoner selv bør ta ansvar for. Derfor er det ganske overraskende at Kristelig Folkeparti i sitt forslag kommer med flere ting som nettopp flertallspartiene mener er noe som staten og det offentlige ikke bør ta ansvar for. Flertallet mener bl.a. at frivillig samfunnstjeneste for 16-åringer er en idé som bør komme fra frivilligheten selv og ikke som et statlig initiativ. Jeg er personlig skeptisk til tanken likevel. Det er mange grunner til det. Det ene er kost–nytte-perspektivet, det andre er at samfunnsforholdene i Norge og Storbritannia er ganske ulike og ikke kan sammenliknes på en enkel måte. det gjelder spørsmålet om mulighet til studiepoeng, viser flertallet til tidligere gjennomganger av regelverket for opptak til høyere utdanning og mener at det i hovedsak er resultatet fra videregående opplæring som skal legges til grunn for en rangering av kandidater til høyere utdanning. Så til spørsmålet om frivillighet på timeplanen. Flertallet peker på at skolen og den enkelte læreren må finne ut hvordan man ønsker å involvere det, men en kan merke seg at flertallet understreker betydningen av at frivillig sektor trekkes inn som et viktig supplement til den ordinære undervisningen. Når det gjelder forholdet til ideelle aktører, peker en enstemmig komité på at regjeringen er i gang med en gjennomgang av situasjonen til de ideelle aktørene. Hele komiteen er også ganske utålmodig i dette arbeidet og sier at man ser fram til en avklaring på det spørsmålet. Så til spørsmålet om det forslagsstillerne kaller en ordning med reservebesteforeldre. Der peker flertallet på at de ordningene vi har i dag, i svært stor grad fyller akkurat dette behovet, og at man ikke ser på det som en god løsning at regjeringen skal gå inn og opprette noen nye ordninger, som en konkurrent til det de frivillige allerede har. Man vil heller styrke de frivillige organisasjonene i den jobben de gjør. Mye av det samme peker man på i spørsmålet om hjem–skole-samarbeid. Komiteen mener at det er et veldig viktig spørsmål, samtidig som vi peker på mange av de ordningene som vi allerede har i dag. Det samme gjelder forslaget om vennegrupper, der flertallet peker på at man har tillit til at foreldrene og den enkelte skole finner gode samarbeidsrutiner for dette. Så er det vanskelig ikke å komme inn på alt det regjeringen har gjort, når man skal diskutere frivillighet. Regjeringen har hatt en veldig omfattende satsing på frivillig sektor. Både opprettelse av frivillighetssentraler, fokus på avbyråkratisering og momskompensasjonsordninger er viktige bidrag som bygger opp om frivillig innsats og engasjement. om vi er veldig glad for å få denne debatten i Stortinget, mener flertallet at mange av de forslagene som er fremmet her, er forslag som man ikke er enig i, selv om man støtter grunntanken som forslagsstillerne prøver å få fram. Som senterpartist er det jo fint å kunne avslutte med at en samlet komité vil understreke at mulighetene for vekst og utvikling bør være de samme i hele landet også innenfor den ideelle sektoren, og at et flertall videre peker på at desentralisering av makt og institusjoner er viktig for å styrke tilliten til de demokratiske institusjonene og folks ønske og mulighet til å engasjere seg. Det pekes også på at det trengs en robust distriktspolitikk som sikrer levedyktige bygder og lokalsamfunn over hele landet. Det er dessverre slik at innføring av momskompensasjon ikke har stått i stil med de garantier som regjeringen har gitt – for lite, for sent. Dette rammer selvfølgelig frivilligheten over hele landet. Det er slik at dette dessverre ikke er den eneste garantien I den anledning har jeg tatt meg den frihet å skrive et lite dikt om regjeringens lemfeldige omgang med begrepet «garanti». Jeg har kalt diktet «Garantiregjeringen»: «Garanterte garantier Garantert Garantert Kreft – sykehjem – sykehus Garantert Garantert Momskutt – frivillighet – kompensasjon Garantert Garantert Valg – stemmer – makt Garantienes garanti var garantert ikke garantert DET er åpenbart den eneste garantien som noensinne har vært en garanti» Et sterkt frivillig engasjement har en viktig egenverdi. I tillegg det også viktige bidrag til inkludering, sosial utjevning og utvikling av det lokale samfunnet. Frivillig engasjement springer ut fra enkeltmenneskers ønske om å delta i fellesskap som man har et personlig forhold til. Det er en rekke overordnede politiske mål fra flere partier om dette temaet, der frivilligheten på ulike måter er ønsket som faktisk sterkt ønsket. Velferdsdebatten er i stor grad preget av et forenklet syn på samfunnet, der høyresiden settes opp mot venstresiden, privat sektor mot offentlig sektor, markeds- og konkurransetro mot offentlig monopol. Jeg etterlyser flere perspektiver og større bredde i debatten og vil understreke at alle samfunnets tre sektorer må med i den store velferdsdebatten. Velferdssamfunnet består ikke bare av offentlige og kommersielle aktører, men også av en stor sivil sektor, der aktører og frivillige organisasjoner spiller en helt avgjørende rolle. Et annet perspektiv som også må løftes opp, er betydningen av frivillighet i det sivile samfunnet. Frivillighet og deltakelse i formelle og uformelle sosiale nettverk er sentrale kvaliteter ved et velfungerende samfunn. Frivillige og ideelle organisasjoner bygger tillit mellom mennesker. Statlig sektor har vokst betydelig i etterkrigstiden. Nå er tiden inne for en ny start for frivilligheten. Norge gikk foran i utbyggingen av velferdsstaten, basert på frivillighet. Det kan av og til være behov for statlige initiativer på konkrete områder for å gi frivilligheten et løft, f.eks. momskompensasjon, som jeg har vært inne på tidligere. viser i den forbindelse til forslaget fra KS og Frivillighet Norge om en samarbeidsplattform mellom frivillig sektor og kommunene. Deltakelse i frivillige lag og organisasjoner gir verdifull erfaring, som bygger demokrati og skaper likeverdige borgere. En stor andel av den norske befolkningen har utført frivillig arbeid – på folkemunne også kalt dugnad. Vi har tradisjoner for dugnad, det fungerer i samfunnet vårt. Dette bidrar betydelig i samfunnet, både økonomisk og menneskelig. Representanten skal kanskje ta opp forslag i denne saken også? Jeg ønsker å ta opp de forslagene Fremskrittspartiet er med på. Representanten Ib Thomsen har tatt opp

interessant å legge merke til at mens vi i denne sal og i Norge kan diskutere økende grad av sosial kapital, ser vi at man i resten av Europa heller ser økende grad av sosial uro. Jeg vil starte mitt innlegg med å berømme Kristelig Folkeparti for å ta opp et svært viktig tema. Det frivillige Norge er etter min oppfatning en av våre største juveler og et av vårt lands fremste kjennetegn. Det frivillige Norge er en betydelig del av det Norge vi alle er så stolte av. Det er heller ingen tvil om at det tenkes mange kloke tanker i Kristelig Folkeparti om frivillighetens betydning for samholdskraft og den sosiale kapitalen i samfunnet. Først vil jeg avvise en myte som Høyre og Fremskrittspartiet møysommelig prøver å spre, at det er i skjæringspunktet mellom Kristelig Folkeparti og høyrepartiene at det frivillige Norge har sin fremste politiske støtte. En slik påstand kan sammenliknes med å sitte ved skrivebordet og lage modeller som viser at det regner ute, mens man ved å kikke ut av vinduet ser at sola skinner fra blå himmel. For hva er det vi ser om vi løfter og ut mot det norske samfunnet 2011? Jo, vi ser et Norge der frivilligheten blomstrer som aldri før. Den store økningen i tallet på festivaler av ulike typer, markedsdager og andre lokale mønstringer de siste årene er kanskje det mest slående eksempelet. Imponerende arrangementer gjennomføres. Hele lokalsamfunn av frivillige mobiliseres til dugnad. Folk får gode kulturopplevelser. I tillegg styrkes lokal identitet, stolthet og troen på egne evner til å utrette noe stort i fellesskap. Nye møteplasser mellom ulike mennesker blir skapt, og båndene mellom mennesker styrkes. Dette handler selvsagt om initiativ fra lokale ildsjeler, men det handler også i høyeste grad om politikk og hvilke verdier ved samfunnet vi som politikere legger vekt på å søke